individuelt fastsatt frist, rett til vurdering, rett til fornyet vurdering, rett til fritt sykehusvalg, rett til individuell plan og rett til behandling i utlandet på gitte vilkår. Dette er rettigheter som også gis til aktuelle pasienter med andre diagnoser enn kreft. Jeg viser til at Legeforeningen uttaler at særskilte behandlingsgarantier for pasientgrupper er prinsipielt problematisk og ikke tilstrekkelig for å oppnå økt kapasitet og kvalitet i tilbudet. Vi er inne i Vi er inne i en tidsperiode med store befolkningsmessige endringer, nye behandlingsformer og ny teknologi som gir oss store utfordringer, men også muligheter for mer effektiv behandling. Vi har som politikere et ansvar for å sikre både at helse- og omsorgstjenestene får nødvendig vekst, og at midlene fordeles rettferdig. Vi må kombinere økte økonomiske rammer og tydelige styringskrav med samarbeid med fagmiljøene og pasientenes organisasjoner om gode pasientforløp og oppgavefordeling mellom alle deler av helsetjenestene. Jeg mener at det ikke er jusen som vil gi kortere ventetid for kreftpasienter og økt overlevelse. Derimot må vi tørre å sette oss ambisiøse mål for en bedre kreftbehandling. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene har jeg derfor satt et mål om at 80 pst. av kreftpasientene skal få behandling 20 virkedager etter at henvisningen er mottatt. Målet er 80 pst. – ikke 100. Grunnen er at det for noen kreftpasienter er riktig å bruke mer enn 20 virkedager på å utrede og avklare hva som er riktig behandling. Ulike sykehus vil også bruke ulik tid på å nå målet, og vi vet at det er mer krevende for noen pasientgrupper. Det gleder meg imidlertid å høre at Kreftforeningen mener at det har skjedd mye positivt i tiden etter at målet ble satt, med økt oppmerksomhet på kreftbehandling og prioritering av kreft i oppdragsdokumentene. Sykehusene må identifisere flaskehalser og organisere tilbudet annerledes. Vi måler sykehusene på dette, og resultatene offentliggjøres jevnlig, slik at vi kan følge opp resultatene. I 2011 målte vi hvor raskt behandlingen kom i gang for brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft. Tallene viser store forskjeller mellom sykehusene, men noen sykehus lykkes med å gi pasientene rask behandling. I år vil jeg utvide målingene. Sykehusene forholder seg til et omfattende lov- og rammeverk. De må organisere seg klokt og bruke ressursene i størst mulig grad til å gi alle pasienter god behandling. Faglige krav, retningslinjer og organisering skal bidra til best mulige resultater. Dette arbeidet i nært samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjonene. Det finnes ingen lovregulering som kan erstatte det systematiske arbeidet for bedre kreftbehandling. Norske kreftleger leverer resultater i verdensklasse, og vi må støtte dem slik at de kan bli enda bedre. Det blir replikkordskifte. Vi har forstått såpass nå at juridiske rettigheter til pasienten er

øker en del av køene. Vi har diskutert rekonstruksjon av bryst tidligere i dag – noen venter opp mot ti år – prostatakreft. Vi ser at tallet på helseforsikringer øker, flere tegner det, flere kjøper seg ut av køen. Så på den ene siden kjøper flere private tjenester og køene blir lengre, på den andre siden er svaret bedre prioritering og bedre

at alle får den behandlingen i tide som de bør ha. Det har vi sett eksempler på, at det kan være for dårlig. Vi må rette opp på de områdene hvor det er åpenbare feil og mangler, det er det som er viktig, og det viktige for kreftpasienter er forutsigbarhet, det er at de har gode behandlingsforløp. Derfor har vi altså disse målsettingene som sykehusene skal forholde seg til og innrette organiseringen etter, og som også viser at det gir gode resultater, som vi måler, og som vi offentliggjør

mye av problemene, hver eneste gang nedstemt, bare fordi de kommer fra opposisjonen? Jeg må bare med all respekt si at på en del områder er vi uenige, og på en del områder har vi allerede igangsatt arbeid. Når det gjelder f.eks. det forrige representantforslaget som vi diskuterte, om kvalitet og pasientsikkerhet, kan man hake av alle de forslagene som vi er i gang med allerede som tiltak. Da blir det på en måte litt spesielt om vi skal stå i Stortinget og vedta det fordi det kommer fra opposisjonen. Så er det slett ikke slik at alle forslag er dårlige forslag. Men det viktige er at kreftpasienter har mange rettigheter i dag, og det skal de ha, for det er en alvorlig sykdom. Noen kreftpasienter må også behandles som øyeblikkelig hjelp og kan heller ikke vente i de 20 dagene. Da må legene gi individuell vurdering. Det som er mest bekymringsfullt,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

har vedtatt forelegg eller er dømt for seksualforbrytelser, er den saken vi her behandler. Jeg er glad for at regjeringen har lagt frem saken. Jeg er glad for at man kommer et steg videre i denne saken med tanke på den problematikken som har vært belyst så grundig i media tidligere. Men det jeg gjerne skulle ha ønsket, var at man hadde gått

Jeg er glad for at Dagbladet for en tid tilbake hadde stort fokus på denne problematikken. Jeg tror det fokuset som var i det åpne rom, har drevet fram saken, gjort at vi behandler den her i dag, og at vi får endringer. For det er langt fra tilfredsstillende at utviklingshemmede skal føle frykt for å bli utsatt for overgrep på sin egen arbeidsplass. Jeg er langt fra stolt av at det også har skjedd i min egen hjemkommune, som også var omtalt i Dagbladets artikkelserie. Fremskrittspartiet mener at det er viktig at vi går et steg videre, og ville gjerne lovbestemt dette, altså fått krav om politiattest inn i loven. Vi skulle gjerne ønsket, og foreslår også det, at man hadde utvidet bestemmelsen til også å gjelde dem som allerede er ansatt i VTA-bedrifter i dag. Da snakker jeg ikke om tiltaksutøvere, men om de fast ansatte. Det var også noe av det som var drøftet i høringsnotatet fra regjeringen, og jeg må si at jeg jeg må si at jeg er skuffet over at man ikke har sagt at denne bestemmelsen også skal gjelde for dem som er ansatt i VTA-bedrifter i dag. Grunnen til at Fremskrittspartiet ønsker det, er rett og slett at man ikke har noen garanti mot at det fortsatt er ansatt overgripere i disse bedriftene. Jeg synes det er synd at man bruker som et argument for at man ikke kan gjennomføre det, at det blir for byråkratisk og for ressurskrevende å finne det ut – i alle fall er det begrep som jeg registrerer er brukt i den åpne debatten i media. Videre ser Fremskrittspartiet klare utfordringer med å drive god vandelskontroll for personer som er bosatt utenfor EØS-området. Derfor vil vi også at man innfører – og fremmer forslag om det et krav om botid på fem år. Men vi erkjenner at en slik lovbestemmelse også må praktiseres fleksibelt, for det finnes land utenfor EØS-området som man på en enkel måte kan hente inn tilfredsstillende vandelsattester fra. I de tilfellene der man har tilfredsstillende vandelsattester, mener jeg at man bør ha en fornuftig lovfortolkning og en praktisering som sier at man kan gå bort fra en eventuell botidsbestemmelse. Jeg registrerer at flertallet ikke ønsker å gå i den retning som Fremskrittspartiet ønsker. Til slutt vil jeg si at det aller viktigste for å forhindre overgrep i VTA-bedrifter er gode rutiner i den enkelte bedrift, en bevissthet blant arbeidslederne, slik at en fanger opp de signalene som blir gitt i

Representanten Robert Eriksson har tatt opp de forslagene han refererte til. Hvordan vi skal beskytte de mest sårbare av oss mot overgrep og krenkelser, er en viktig politisk sak og et ansvar for oss alle. Gjennom gradvis mer åpenhet har vår forståelse av hva overgrep kan bety for det enkelte menneske, økt. Med økt åpenhet har også disse vanskelige temaene blitt en del av den politiske samtalen. Bare gjennom et felles ansvar, tydelige signaler fra samfunnet om hvor grensen går, gode rutiner og holdninger på den enkelte arbeidsplass kan vi forebygge. Bruk av politiattest kan forhindre at de som er dømt for ulike alvorlige forhold, på nytt, gjennom sin arbeidsplass

for å reintegrere mennesker som har en fortid, i arbeidslivet. Det er i de senere årene vedtatt krav om politiattest i flere lover, bl.a. i barnevernloven, i utlendingsloven, i barnehageloven, i opplæringslova, i universitets- og høyskoleloven, i helsepersonelloven, i sosialtjenesteloven samt i forskrift om strafferegistrering. Dette betyr mange stengte dører inn til arbeidslivet for mennesker som ønsker og trenger en ny sjanse. Store deler av offentlig sektor er med dette stengt for mennesker med erfaringskompetanse på mange av de utfordringene som de samme etatene er satt til å løse eller forebygge. På generelt grunnlag mener jeg det er behov for å problematisere hvilke negative konsekvenser dette kan ha, og man bør ta en gjennomgang av hvilke kriminelle forhold som er av en så alvorlig karakter at de bør omfattes av en politiattest. Innføring av en slik politiattest i arbeidsmarkedsloven for mennesker som skal arbeide i et tillitsforhold med mennesker som deltar i VTA, vil være et viktig supplement i arbeidet med å forhindre overgrep og krenkelser. Arbeiderpartiet mener at det er grunn til å tro at dette, sammen med grundig internkontrollarbeid hos bedriftene som er tiltaksarrangør, vil kunne bidra til å redusere både de registrerte overgrepssakene og de uanmeldte. Større åpenhet og rom for å snakke om de vanskelige tingene som overgrep og krenkelser vil være, er viktig for at de som blir utsatt for det, tør å ta det opp. Arbeiderpartiet mener at mennesker med utviklingshemming har krav på den samme beskyttelsen som mindreårige har. Det å gi mer trygghet for de mest sårbare av oss er hovedbegrunnelsen for at Arbeiderpartiet støtter innføring av politiattest i

Ansatte i slike bedrifter vil nødvendigvis komme i tillits- og ansvarsforhold overfor de utviklingshemmede som f.eks. deltar på tiltak i VTA-bedrifter. Psykisk utviklingshemmede – som er gruppen dette først og fremst dreier seg om – trenger en lovbeskyttelse på lik linje med den beskyttelsen som f.eks. barn har i lovverket. På samme måte som man ikke kan begynne å jobbe i en skole eller barnehage uten å forevise politiattest, bør man heller ikke kunne jobbe med denne gruppen uten å gjøre det samme. Det er utrolig viktig at vi får denne lovhjemmelen på plass, og jeg vil berømme Arbeidssamvirkenes Landsforening – ASVL – for at de har vært pådrivere i denne saken. Det Høyre har å utsette på regjeringen, er at det har tatt så lang tid som det har å få denne proposisjonen til Stortinget – selv om jeg vet at det også hadde med behandlingen av ny politiregisterlov å gjøre. Når man leser Nordlandsforsknings rapport om arbeidsmiljø og rettssikkerhet for utviklingshemmede i skjermede virksomheter, blir man minnet om hvor viktig det er å få slike tiltak på plass. Det er skremmende å lese om at flere bedrifter i denne kategorien har opplevd saker som omhandler vold og trusler om vold – endog seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Det er skremmende, men ikke særlig overraskende, gitt antallet bedrifter, ansatte og tiltaksdeltakere det er snakk om. Spørsmålet er derfor om det var nødvendig med en så lang prosess – som startet da departementet bestilte rapporten fra Nordlandsforskning for snart fem år siden – før vi nå vedtar en lov om politiattester. Avveiningen mellom hensynet til vern av svake grupper på den ene siden og på den andre siden hensynet til rehabilitering av dem som har brutt samfunnets lover, men sonet sin straff, vil aldri være enkel. Svake grupper, som psykisk utviklingshemmede, trenger på den ene siden det beste vern samfunnet kan gi dem. Samtidig kan det ikke være sånn at de som på et tidligere tidspunkt i livet har begått alvorlig kriminalitet, aldri skal kunne bli fullverdige samfunnsborgere igjen. På disse spørsmålene vil det Men jeg mener regjeringen her har funnet en rimelig balanse mellom vanskelige hensyn – de som er dømt for drap eller seksualforbrytelser, utestenges for livstid, de som har begått annen kriminalitet, utestenges for tre år. Samtidig er det flere andre problemstillinger som berøres i proposisjonen som også innebærer vanskelige avveininger, for det første spørsmålet om kravet om politiattest skal gjelde alle som i dag er ansatt i bedrifter som tilbyr ASVL – ikke bare dem som ansettes fra og bare dem som ansettes fra og med det tidspunktet loven trer i kraft. For Høyre har rettsstatshensyn, at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft, vært avgjørende. Samtidig er det verd å bemerke at de praktiske problemene – gitt at rundt 13 000 mennesker i dag er ansatt i bedrifter som tilbyr VTA – vil være formidable. Vi har merket oss at departementet vil utrede nærmere spørsmålet om også deltakere i VTA-tiltak skal måtte forevise politiattest. Dette er et vanskelig spørsmål, og Høyre vil derfor støtte departementets forslag om å utrede det nærmere. Jeg forutsetter at dette gjøres så snart det er praktisk mulig. Et annet viktig spørsmål som berøres her, er spørsmålet om hvorvidt man skal stille krav om botid for personer fra land utenfor EØS-området. Også her har departementet bedt om mer tid til å utrede og koordinere med andre instanser. Høyre støtter også det forslaget, men igjen: under forutsetning av at denne prosessen ikke tar lengre tid enn strengt nødvendig. Det er mange måter å måle hvor langt samfunnet er kommet på – å måle hvor sivilisert et samfunn er. Jeg mener et samfunn kanskje først og fremst bør måles på hvor godt man beskytter dem som ikke nødvendigvis kan beskytte seg selv. Det er kanskje den viktigste målestokken av alle, og på den er vi med dette forslaget kommet et lite, men viktig hakk videre. Dette

Voksne og barn med psykisk utviklingshemning er særlig utsatt for vold og overgrep, og de er ofte avhengige av andre, både i arbeidslivet og i privatlivet. Det øker sårbarheten enda mer. Både nasjonal og internasjonal forskning viser at overgrep mot voksne med psykisk utviklingshemning skjer tre–fire ganger oftere enn ellers i befolkningen. I fjor hadde Barnehuset i Oslo ni med voksne utviklingshemmede, men man mener det burde vært mange flere. Mørketallene er store, og saken bør av samvittighetsgrunner for oss som samfunn være svært viktig. Dette må føre til en særlig økt bevissthet rundt krav til dem som skal arbeide i yrker der en har ansvar for mennesker med utviklingshemning eller andre som er i en sårbar posisjon. Ett tiltak er å kreve politiattest, slik at personer som har begått overgrep, ikke kan få jobb i disse yrkene, der de skal være sammen med sårbare mennesker. Dette er innført på mange andre samfunnsområder. Politiattest er ingen garanti mot at overgrep kan skje, men det er et viktig tiltak, som sammen med en årvåkenhet skal hjelpe forebygge overgrep. Det viktigste er å ha gode rutiner i det daglige arbeidet, noe som gjør at en reduserer risikoen og muligheten for at overgrep kan skje. I april 2007 skrev bransjeforeningen – ASVL – som gir varig tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede, et brev til Justisdepartementet. I brevet påpeker de behovet for å kunne stille krav om Bransjen, som driver med varig tilrettelagt arbeid, har vært veldig opptatt av dette og har hatt ønske om å kunne kreve slik attest i flere år. Derfor er det så viktig at en i disse bedriftene er meget oppmerksom på risikoen for overgrep – at en har gode rutiner, og at en kan kreve politiattest. SV mente at dette var et viktig tiltak, og tok dette opp med regjeringen. Det har tatt tid å få det på plass, men det viktigste er at det er på plass. Det er SV veldig glad for. Vi ser fram til at regjeringen kommer tilbake når det gjelder andre uavklarte spørsmål – og få det gjennomført i Stortinget. Regjeringen har i denne proposisjonen lagt fram forslag til endringer i arbeidsmarkedsloven som

Kravet om politiattest skal gjelde for ordinært ansatte. Kravet vil omfatte stillinger der ordinært ansatte ved utøvelsen av sitt arbeid kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold hvor overgrep eller negativ påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted. Forslaget innebærer at arbeidsgiver konkret må vurdere arbeidsområdet og oppgaveporteføljen for hver enkelt stilling. Hvorvidt også tiltaksdeltakerne bør omfattes av kravet til politiattest, reiser en vanskelig avveining mellom behovet for å beskytte noen tiltaksdeltakere og behovet for resosialisering av andre tiltaksdeltakere. Jeg ønsker å utrede dette spørsmålet nærmere i forbindelse med evalueringen av behovet for VTA-tiltaksplasser, som nå er igangsatt. Politiattesten skal omfatte saker der en person er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for seksualforbrytelser, forsettlig drap, grov voldskriminalitet samt rans- og narkotikakriminalitet. Konsekvensen av anmerkninger på attesten skal i utgangspunktet være utelukkelse fra arbeid med utviklingshemmede. Kravet om politiattest skal ikke ha tilbakevirkende kraft, dvs. at kravet bare vil gjelde for personer som blir ansatt etter at lovendringen har trådt i kraft. Jeg viser i denne forbindelse til den generelle reservasjonen mot å gi rettsregler tilbakevirkende kraft. Jeg viser videre til det forhold at arbeidsgiver ved mistanke om straffbare forhold knyttet til en arbeidstaker har anledning til å ta kontakt med politiet for å få nødvendige opplysninger. Politiets taushetsplikt er ikke til hinder for å gi opplysninger når det er nødvendig for å forebygge lovovertredelser, eller for å hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte. Politiattester utstedt i en del land utenfor EØS-området vil kunne være av begrenset verdi. Jeg mener derfor det er gode grunner for å innføre krav til minste botid i Norge for arbeidstakere utenfor EØS-området som ikke kan framlegge tilfredsstillende Etter min vurdering er det imidlertid en klar fordel om kravet til botid er likt på alle områder der det er behov for politiattest. Jeg mener derfor at dette spørsmålet må vurderes nærmere i samarbeid med øvrige departementer med ansvar for sektorer med tilsvarende utfordringer. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har nylig satt i gang et Jeg understreker at et godt internkontrollsystem i VTA-bedriftene vil være det aller viktigste tiltaket for å forhindre overgrep mot utviklingshemmede, også etter at krav om politiattest er innført. Innføring av krav om politiattest er i seg selv ingen garanti for at overgrep ikke kan skje, men er ett av flere nødvendige og viktige tiltak for å forhindre overgrep mot utviklingshemmede på arbeidsplassen. Jeg er glad for at en samlet komité stiller seg bak forslaget om å innføre krav om politiattest i VTA-bedrifter og på denne måten bidrar til og på denne måten bidrar til økt trygghet på arbeidsplassene for en av de aller svakeste gruppene i arbeidsmarkedet. Det blir replikkordskifte. Statsråden var innom i sitt innlegg – og

Jeg har to spørsmål til statsråden. Det første er: Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt en slik utredning? Det andre spørsmålet jeg har til statsråden, er: Vi ser store mangler med hensyn til varslingsrutiner i kommunene når slike ting skjer på arbeidsplassene. Vil statsråden ta et initiativ til å utarbeide felles varslingsrutiner, sånn at vi får gode varslingsrutiner når overgrep har skjedd, eller når man har mistanke om

jeg skal se på dette. Jeg vil ikke tidfeste når jeg kommer tilbake, men det bør ikke ta veldig lang tid. Det andre spørsmålet, når det gjelder … Hva var det andre spørsmålet igjen? Det var felles varslingsrutiner. Nettopp. Vi er Vi er nemlig enige om at det som er det aller viktigste, er at man har gode systemer for dette. Nå er det allerede slik i dag – det følger på en måte av regelverket – at man skal ha gode systemer for varsling. Men vi har nå bestemt at i forbindelse med at vi skal fornye denne avtalen mellom Nav og VTA-tilbyderne, skal det inn i avtalen at vi skal ha spesielle rutiner og varslingsregler for dette. Så det vil skje suksessivt i forbindelse med at vi

innstilling i saken, og jeg tar herved opp de forslagene som ligger der. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.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

individstønaden. Opposisjonspartiene har samlet seg om et forslag som innebærer at man går igjennom de ordningene som ligger under sosialhjelpen, med sikte på å se om de fremmer aktivitet, eller om de kan ha uheldige virkninger. Det er ikke vanskelig å se for seg at individstønaden kan ha uheldige virkninger. For eksempel vet vi at drop out-tallene, selv om de nå er litt på vei ned, ligger høyt i den videregående skolen. De ligger høyest særlig på en del yrkesfaglige studieretninger, opp mot 30 pst i en del fylker. Mange av disse ungdommene kommer ikke senere tilbake inn i utdanningsløpet. En del av dem finner heller ikke veien til arbeidslivet, men finner i stedet veien til Nav-kontoret. Så kan en diskutere hva det sier om et samfunn når en 17 år gammel gutt eller jente hva det sier om et samfunn når en 17 år gammel gutt eller jente kommer til Nav-kontoret for å få midler til livsopphold. Utgangspunktet – i hvert fall Høyres utgangspunkt – har vært at barn under 18 år er foreldrenes ansvar. En annen mulig uheldig virkning av individstønaden er selvfølgelig dette: Du får ikke penger i lomma for å gå på videregående skole. Du får stipend. Du får det utstyret du trenger. Men det er ikke sånn at du får noen lønn fra samfunnets side for å gå på videregående skole. Individstønaden kan jo da tenkes å fungere sånn for noen at i det øyeblikk de dropper ut, får de en mulighet til å få utbetalt en stønad som tilsvarende jevnaldrende ikke får. Det er en stønad som ikke er veldig høy i utgangspunktet, og deler av maksbeløpet er knyttet til konkrete utgifter, f.eks. til til reise fram og tilbake. Men likevel er den høy sammenlignet med hva man har som videregående skoleelev eller hva kanskje andre jevnaldrende har som er i en studie- eller skolesituasjon. Grunnen til at Høyre ikke har gått fullt og helt inn i denne omgang for å si at vi må kutte i individstønaden, er at den samtidig bygger på et annet prinsipp som Høyre er veldig opptatt av, og det er at vi alltid skal ha aktivitet. Da kan det være en fordel også at det er en belønning knyttet til det å delta i aktivitet. Høyres utgangspunkt er at man skal ha en aktivitetsplikt for alle som mottar sosialhjelp, og at man skal være mye flittigere til å benytte den sanksjonsmuligheten man har til å trekke i stønaden dersom folk ikke møter opp. Men da er det altså sånn at individstønaden, i motsetning til f.eks. vanlig sosialhjelp – hvis vi kan kalle den det – er konkret knyttet til det er konkret knyttet til det å delta i tiltak. Og det er jo en fordel. Det som er vanskelig i saken, er at det har vært umulig å finne god dokumentasjon på om individstønaden virker eller ikke. Statsråden sier i sitt brev, og flertallspartiene, de rød-grønne, sier at ja, de antar at den virker. Det har ikke vært mulig å finne noen god dokumentasjon på det, annet enn denne Det er heller ikke mulig å finne noen veldig god dokumentasjon på at den har veldig skadelige effekter. Derfor synes vi det er helt naturlig fra Høyres side at man, når man går igjennom hele sosialhjelpsordningen og ser på alle støtteordningene, også ser veldig tydelig og spesielt godt på individstønaden. For det er sånn at på nesten alle Nav-kontorer i Norge er den største bekymringen de har, at det er flere ungdommer som kommer inn kommer inn døren deres. Det er en bekymring som alle partier i denne salen burde dele. Da er det et stort problem hvis vi har ordninger som på kort sikt gjør at det kan virke mer attraktivt ikke å gå tilbake til skolebenken eller slutte på skolen. For øvrig vil jeg ta opp det forslaget som Høyre er

spørsmål. Det som er utfordringen, er om Fremskrittspartiet, støttet av Høyre og Kristelig Folkeparti, har det rette svaret. Jeg mener nei. For det første er det et litt underlig utgangspunkt eller en forutsetning i premissene for forslaget som er feil. I forslaget vises det til at frisk, arbeidsdyktig ungdom ikke skal fristes til å avslutte skolegangen for å leve som Er det frisk og arbeidsdyktig ungdom som slutter i skolen? Nei. Men vi vet at dersom de slutter i skolen uten at de fanges opp, har de en større sjanse for å leve et helt liv med svak arbeidstilknytning og med større risiko for psykisk sykdom og rusmisbruk. Vi vet at det ofte er svært sammensatte problemer som er årsak til at skolen i perioder ikke passer for enkelte elever. I hovedsak er problemene knyttet til forhold I hovedsak er problemene knyttet til forhold i familien. Rus, lav arbeidstilknytning hos foreldre, psykiske problemer som ikke oppdages, eller vold i nære relasjoner hører med blant disse. Det er anslått at ca. 10 pst. av de unge sliter med bakgrunn i foreldres rusproblemer, for å ta ett eksempel. Rapporten «Et liv jeg ikke valgte» fra Agderforskning viser at det å komme utenfor det sosiale fellesskapet handler om helt over to hundre kroner dagen på helt klare betingelser. Problemene i familien forflytter seg til skolen. Konsentrasjons- og lærevansker, mobbing og etter hvert utagerende atferd og skulking i grunnskolen gikk igjen i historiene, står det i rapporten om de unge uføre. Rapporten viser også til Folkehelseinstituttets funn fra 2009, som viste at svært mange ungdommer med betydelige psykiske plager verken får støtte fra lærere eller blir fanget opp av helsevesenet. Lærere når i for liten grad fram til ungdom med psykiske plager, og elever med mye psykiske plager og lite pliktfølelse overfor skolearbeidet får ofte heller ikke støtte fra lærerne. Det er viktig at de unge blir fulgt godt opp. Det er viktig at innsatsen starter tidlig, og det er viktig at det er flere virkemidler å velge blant. Det er også viktig at ansatte i de forskjellige tjenestene samarbeider Studier viser nemlig at det er vanskelig å peke på enkelttiltak – som Høyre etterlyser – som er virksomme i seg selv, men det vi vet, er at systematikken i organiseringen og mangfoldet i tiltakene er viktige. Regjeringens satsing på barn og unge er omfattende, og mye er bra. Ny GIV, lovbestemmelser om å vurdere barns behov i helse- og

tidligere innsats og god oppfølging av barn og unge. Ansatte må samarbeide mer, og også mer systematisk, om den enkelte elev som skolen ikke klarer å holde på. For Arbeiderpartiet er det viktig å ha som utgangspunkt at barn og unge er forskjellige og har forskjellig problematikk. De må derfor ha tilgang til skreddersydde tiltak – tidligst mulig – og tilgang til arbeid og aktivitet er den beste forebygging et samfunn kan tilby. Arbeiderpartiet vil følge utviklingen nøye. Vi må se om vi gjør de rette tingene, og vi må endre tiltakene i tråd med behovene. Det er derfor oppløftende at i 2011 fullførte flere unge skolegangen enn i 2010. Ca. 800 flere ungdommer har fått et bedre utgangspunkt for sin voksentilværelse ved at de har fullført skolen. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyres innsparingsforslag bedrer ikke framtida for denne gruppen og er feil svar på samfunnets viktigste utfordring. Arbeiderpartiet vil ha mer skreddersøm, flere individuelt tilpassede tiltak og tettere oppfølging fra ansatte i de forskjellige tjenestene. Ja, vi vil ha mer av det som virker. La meg først si at jeg deler betraktningene til min betraktningene til min kollega, stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen. Det er også viktig for Fremskrittspartiet at man har ordninger som stimulerer til aktivitet. Jeg tror det er helt grunnleggende for mennesker som har havnet ut av det ordinære løpet, at man har ordninger som stimulerer til aktivitet, som sørger for at man på en rask, effektiv og god måte kan komme tilbake igjen, inn mot arbeidslivet. Så må jeg si at jeg blir litt forundret når jeg

opplever systematisk mobbing og slutter på skolen på grunn av dette. Da hadde det kanskje vært naturlig at vedkommende kom inn i et annet skoleløp, ja kanskje var blitt tatt opp ved en av de fagskolene som mange av våre arbeidsmarkedsbedrifter har, for å få kompetanse til å gå videre. Men er det dermed sagt at det er fornuftig at en elev som går fra det ene skoletilbudet til skal ha en særskilt stipendordning, eller en ytelsesordning, når han ikke har det i den ordinære skolegangen sin? Jeg synes ikke det er riktig. Når det gjelder de personene som er over videregående skole-alder, og som på ulike måter har falt ut av arbeidslivet, som også går inn i arbeidsmarkedsbedriftene og får oppfølging for å komme videre: fordi vi har arbeidsavklaringspenger. Jeg tror det er viktig i vårt velferdssystem at vi rydder opp i en del begrepsbruk, at vi får samordnet en del ordninger og ytelser. Dette vil gjøre at tiltaksapparatet blir mer effektivt, blir lettere å forholde seg til, og det blir lettere å hjelpe brukerne – nettopp for å lede dem raskest mulig tilbake til aktivitet, og til riktig aktivitet, slik at de kan komme seg et steg videre. Så må jeg si at jeg synes det er litt underlig at representanten fra Arbeiderpartiet bruker så mye tid på nærmest å argumentere imot vårt forslag, spesielt med tanke på at statsråden selv har sagt at hun vil gå i gang med å gjennomgå stønadsordninger og gjennomgå stønadsordninger og stønadsnivået i forbindelse med tiltaksdeltakelse. Det er jo akkurat det dette forslaget handler om, men vi sier at vi ønsker at dette skal skje i løpet av inneværende år. Vi mener det er viktig at vi har en ordentlig fremdrift på den saken, og at vi har en garanti for at Stortinget får seg forelagt en slik gjennomgang i løpet av 2012. Jeg registrerer at flertallet og flertallspartiene, regjeringspartiene,

men det hadde vært greit om Stortinget kunne gitt et såpass tydelig signal om når vi ønsker at den gjennomgangen skal være ferdig. Spørsmålet om ungdomsledighet og frafall fra videregående skole er viktig for Senterpartiet. Det å få flere til å fullføre videregående opplæring vil gi samfunnet stor gevinst og gjøre ungdommene bedre i stand til å mestre sitt eget liv. Senterpartiet mener at vi skal bruke et bredt sett med virkemidler for å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen. Når det gjelder forslaget som vi behandler, mener jeg at utgangspunktet for forslaget er heller tynt begrunnet. Det er en mangel når det gjelder den påstanden som blir framsatt, og dette som går på årsak–virkning, og opposisjonens løsning bærer også preg av at man kom litt skjevt ut. Det er viktig å ha klart for seg at individstønaden utelukkende går til dem som deltar i arbeidsrettede tiltak. Det er altså ikke sånn at det å slutte på videregående skole alene utløser rett til stønad. Det er heller ikke dokumentert noen klar sammenheng mellom frafall fra videregående skole og individstønaden. For mange unge er det dessverre aldri et spørsmål om utdanning eller ikke, men om å finne et alternativ til fullstendig passivitet. Dersom individstønaden kan gi incentiv til å delta på et tiltak, er dette positivt for disse unge menneskenes situasjon.

f.eks. kan oppmuntre ungdom som allerede har droppet ut av videregående skole, til å fullføre opplæringen i kombinasjon med arbeidsrettede tiltak må jo være et argument for at stønaden har livets rett. Så var saksordføreren inne på en bekymring over at ungdommen går inn dørene hos Nav. Jeg deler ikke den bekymringen. Jeg er på mange måter mer opptatt av hva disse unge folkene skal på det lokale Nav-kontoret. Dersom det er for å ordne praktiske ting knyttet til kontantstøtten eller finne en ledig jobb, synes jeg dette er bra. Vi må heller ikke stigmatisere folk som har behov for det velferdstilbudet som tilbys. Jeg reagerer faktisk litt på ordbruken i det opprinnelige forslaget, der man snakker om frisk, arbeidsdyktig ungdom som ikke skal fristes til å avslutte skolegangen for å leve som passive stønadsmottakere. Jeg mener at dette er et klassisk eksempel på hvordan Fremskrittspartiet undervurderer norsk ungdom. Det er faktisk ikke sånn at norsk ungdom ser på det å leve som passiv stønadsmottaker som noe veldig positivt og bra, som de hopper på ved første anledning. Det mener jeg er en realitet som Fremskrittspartiet bør ta inn over seg. Jeg må si at jeg – i likhet med flere – undrer meg over selvsikkerheten til Arbeiderpartiet i denne saken, for dette er en sak som jeg synes er ganske komplisert. Jeg tror vi egentlig bør være enige om at det er både fordeler og ulemper ved individstønaden sånn den er utformet i dag. Representanten Henriksen har helt rett i at det er mange grunner til at man dropper ut, og at det er mange underliggende faktorer som gjør at man velger å avslutte skolen istedenfor å fullføre. For dem som havner helt utenfor – kanskje hele livet – er det ofte helt andre grunner enn en individstønad som er grunnen. Men jeg synes det er underlig at man ikke ser at det er et poeng at for dem som står på vippen og sliter på skolen, som strengt tatt vurderer om de orker å fullføre, og som hører at kamerater får en del tusenlapper, kan faktisk individstønaden være det som gjør at de avslutter skolegangen og heller går over på stønad. Jeg synes det absolutt er en men jeg vil påstå at det er veldig sannsynlig at individstønaden i noen tilfeller kan slå uheldig ut. For Kristelig Folkeparti endret denne saken karakter da komitébehandlingen var i gang og vi fikk svaret fra statsråden.

og særlig passivitet i denne alderen kan ødelegge for at man ikke får utdannelse, ikke kommer seg ut i arbeid og blir passive stønadsmottakere resten av livet. Da kan individstønaden, som jeg var inne på, lokke, men den kan også redde – og der følger Senterpartiet Arbeiderpartiet veldig langt på vei. Faktisk kan individstønaden gjøre at de som er falt utenfor, ser en gulrot som gjør at de velger å gå videre på kurs. men den kan også redde – og der følger Senterpartiet Arbeiderpartiet veldig langt på vei. Faktisk kan individstønaden gjøre at de som er falt utenfor, ser en gulrot som gjør at de velger å gå videre på kurs. Jeg vil understreke at utdanning er viktig – det å kunne få kompetansebevis enten gjennom kurs eller at man klarer å fullføre utdanning, er en nøkkel i seg selv. Det er ofte en forutsetning for å kunne lykkes. Det generelle arbeidet som gjøres med å sikre at flere kommer seg gjennom videregående skole, er sånn at den sikrer at flest mulig velger å fullføre utdannelse, slik at man senere lettere kan få arbeid. Da trenger vi god dokumentasjon, sånn at vi vet at stønadene faktisk bidrar til det vi ønsker, nemlig at flere kommer i aktivitet og får realisert seg selv. Det kan godt være at individstønaden er med på å sikre det, men jeg er ikke overbevist – sånn jeg hører Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Derfor synes jeg det er viktig at når statsråden kommer med resultatet av den gjennomgangen, som hun har varslet i brevet, går man grundig inn i det og ikke bare hopper bukk over at det faktisk kan være en utfordring. Kristelig Folkeparti tror det er viktig å kombinere støtte som kan stimulere til å komme tilbake i arbeid, med realisme, for man vet dessverre at noen velger å droppe ut på grunn av sånne typer stønader.

Med dette utgangspunktet ser vi at frafallet har holdt seg relativt stabilt på om lag 30 pst. i Norge siden midten av 1990-tallet. Frafallsnivået er likevel for høyt, og regjeringen har derfor satt i gang satsingen Ny GIV for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Ny GIV inneholder flere prosjekter, deriblant Oppfølgingsprosjektet, der jeg samarbeider tett med kunnskapsministeren. Samarbeidet mellom oppfølgingstjenesten og Nav skal styrkes, slik at vi får bedre oppfølging av ungdom som har falt fra, eller står i fare for å falle fra videregående opplæring. Måloppnåelsen i Ny GIV følges nøye. Nyere tall viser også positiv utvikling på enkelte områder. Andelen elever som går videre fra Vg1, har økt med ett prosentpoeng fra 2010 til 2011, tilsvarende mellom 700 og 800 elever. Individstønaden består av basisytelse og eventuelle tilleggsstønader til dekning av faktiske utgifter. Deltakere mellom 16 og 19 år mottar basisytelse etter lav sats, 227 kr per dag, og deltakere over 19 år får høy sats, 313 kr per dag. I tillegg ytes eventuelt barnetillegg, stønad til barnetilsyn og borteboertillegg for dem som må bo borte fra hjemmet. Basisytelsen skal sikre tiltaksdeltakerne stønad til livsopphold. Mange av de yngste stønadsmottakerne bor hjemme, og for disse har stønaden mer preg av et incentiv til å delta i tiltak. Forslagsstillerne har fokus på ungdom de mener stimuleres til å slutte på skolen på grunn av individstønaden. Det å slutte på videregående skole utløser imidlertid ikke i seg selv rett til individstønad. Individstønaden gis bare under deltakelse i arbeidsrettede tiltak. Den unge må først melde seg på et Nav-kontor og bli registrert som arbeidssøker. Deretter vurderes oppfølgingsbehovet. Et mulig utfall er at et arbeidsrettet tiltak, med tilhørende rett på individstønad, er den riktige oppfølgingen. For ungdom som står langt fra arbeid og utdanning, kan individstønaden gi incentiver til å delta på tiltak. Vi er enige om at vedvarende lediggang og passivitet ikke er noen god situasjon for unge mennesker. Individstønaden kan for mange hindre nettopp dette. Tiltaksdeltakelse og deltakelse i videregående opplæring trenger ikke å stå i motsetning til hverandre. Et viktig element i Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV er at Nav og fylkeskommunen i samarbeid tilbyr ungdom tilpassede kombinasjoner av arbeidsrettede tiltak og opplæring. Her kan individstønaden gi ungdom som har falt ut av videregående skole, incentiver til å delta i et program som kan hjelpe vedkommende til å fullføre opplæringen. Forslagsstillerne etterlyser et godkjent nasjonalt mål for yrkesfagene på et nivå under fagbrev. Dette har vi i dag ved at det er mulig å ta såkalt grunnkompetanse gjennom lærekandidatordningen. Dersom eleven i løpet av eller etter endt opplæringstid ønsker å oppnå full fagkompetanse, er det selvsagt åpent for det. En annen mulighet for å oppnå yrkeskompetanse under nivå for fagbrev er praksisbrevet, som er en forsøksordning som alle fylker kan ta i bruk. Vi skal alltid være åpne for å vurdere om eksisterende ordninger virker etter hensikten. Jeg mener imidlertid at frafall i videregående skole best kan motvirkes gjennom andre tiltak som nevnt, og ikke gjennom å fjerne individstønaden. Som det er nevnt her av andre talere, er det ikke dokumentert noen direkte årsakssammenheng overhodet mellom disse to faktorene. Så er jeg helt enig med de representantene som har sagt at vi hele tiden må se på om ordningene våre fungerer som gode incitamenter for aktivitet. Derfor har jeg også gitt uttrykk for at jeg nå går gjennom ordningene for unge mennesker for å se på hvordan de virker, og jeg skal komme tilbake til Stortinget på egnet måte med resultatet av den gjennomgangen. Det blir replikkordskifte. Jeg registrerer at statsråden forsvarer behovet for individstønad, men jeg har lyst til

individstønaden på mange måter har utspilt sin rolle – at det ikke er det samme behovet for individstønaden, men at vi har andre typer stønadsordninger som erstatter individstønaden? Og mener ikke statsråden at det er fornuftig å rydde opp i de ulike stønadene for å få en mer helhetlig sammenheng i dem? Som sagt skal vi gå gjennom hvordan individstønaden i dag er rettet for unge, for å se på hvordan den virker. Når det gjelder disse andre ordningene, mener jeg faktisk at det er grunnlag for å si at de har andre formål. Kvalifiseringsprogrammet er rettet mot mennesker som er langtids sosialhjelpsmottakere, som står veldig langt utenfor arbeidslivet. Forhåpentligvis er noen av de unge menneskene vi tar ut, som er i ferd med å droppe ut og i ferd med å få problemer, som vi får på tiltak, og som får en individstønad – det viktigste er egentlig at de kommer på et tiltak – mennesker som ikke kommer inn der kvalifiseringsprogrammet er inn der kvalifiseringsprogrammet er det riktige svaret. Når det gjelder AAP, er det et krav der om at man må ha minst 50 pst. redusert arbeidsevne. Det vil heller ikke nødvendigvis omfatte denne gruppen. Dette er en måte å ta folk tidlig på, få dem i aktivitet og gjøre at de ikke kommer der hvor AAP eller kvalifiseringsprogram nødvendigvis er virkemiddelet. Så kan det jo selvfølgelig være overlappinger, men i utgangspunktet er ikke dette nødvendigvis sammenfallende grupper, slik jeg ser det.

I utgangspunktet er det å fullføre videregående skole så avgjørende for hvordan livet ditt blir, at jeg tror det er et fåtall mennesker som forholder seg til en individstønad som trekker i retning av at man ikke fullfører. Jeg tror individstønaden kan virke stimulerende på noen, slik at de deltar i et tiltak. Om det er en balanse der hvor det kan være noen mennesker som i utgangspunktet har så få muligheter for å lykkes

Men det er veldig rart at det ikke på noen som helst måte kan tenkes at det kan være et dårlig incentiv – motsatt vei. Selvfølgelig er det ikke sånn – det vet statsråden – på samme måte som at ingen sitter og bestemmer seg for at de skal bli uføre i en alder av 17 år, men nivået på uføreytelsene og på de offentlige ytelsene våre påvirker også hvor mange som ender på dem. Det er godt dokumentert og godt empirisk belagt. Det er den tilsvarende mekanismen som eventuelt trer inn her ved individstønaden. Det jeg synes er påfallende, er at statsråden peker på incentivet den ene veien, men er ute av stand til å se incentivet som kan gå den andre veien. Jeg har nettopp gitt illustrasjoner på incentiver som kan gå den andre veien. Jeg sa nettopp at man ikke kan utelukke at det er enkeltpersoner som kan tenke slik. Ingen velger dette, men jeg tror at hvis du er så langt unna arbeidslivet og et ordinært livsløp, kan det være at du tenker: Jeg kan få noen penger der. Som representanten Pollestad sa, vil man alltid kunne ha noen enkelttilfeller hvor det virker på den måten. Jeg synes ikke det er så veldig interessant. Det interessante er om man mener dette strukturelt virker på den positive måten. Så må man hele tiden søke å minimere så mye som mulig de negative incentivene. Det er derfor vi skal gå gjennom det og se om det er noen slike elementer. Jeg synes egentlig dette litt er en debatt for debattens skyld, for jeg tror vi er ganske enige om

tiltak. Det er nettopp også det jeg opplevde at statsråden argumenterte veldig godt for, både i replikkordskiftet og i innlegget. Det jeg opplever er realiteten i debatten ut fra den retorikken som blir brukt, er at Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden framstiller seg sånn at de vil fjerne individstøtten – det sier de i teksten, og det er det man oppfatter av det de sier her fra talerstolen men samtidig sier de at de vil se på det, for det er det som ligger i forslaget. Da opplever jeg at det blir veldig lite troverdighet knyttet til hva de egentlig vil. Vil de fjerne individstøtten, som de sier i teksten, og som de har sagt gjentatte ganger her fra talerstolen? Torbjørn Røe Isaksen sa: Er det rett at noen får og andre ikke? Kan det dekkes av andre ordninger, var Fremskrittspartiet inne på. Det var helt tydelig sånn som jeg opplevde det fra lytterposisjon, at sånn som jeg opplevde det fra lytterposisjon, at dette er en støtte som Høyre og Fremskrittspartiet i hvert fall ikke ønsker å ha. At jeg er forundret, kan jeg skrive under på med motsatt fortegn. Jeg synes også det er et poeng at både bruker denne anledningen til å vise sitt sanne ansikt ved å angripe flere trygdeordninger. Det virker på meg som om de er veldig opptatt av de økonomiske forholdene knyttet til disse, og ikke fullt så opptatt av de personene som faktisk kan få hjelp av de incentivene som ligger der. Men så er vi også enige om at det aller viktigste er å få

Høyre tillater seg å stille spørsmål ved om ordningene våre fungerer bra nok for å få opp aktiviteten. Ja, det er vårt sanne ansikt. Det oppsiktsvekkende er hvis dette ikke er Arbeiderpartiets sanne ansikt. Høyre og Arbeiderpartiet har i mange år stått sammen om det som heter arbeidslinjen i norsk politikk. Arbeidslinjens sentrale forutsetning er det gamle slagordet til arbeiderbevegelsen: Gjør din plikt, krev din rett – det er aktivitet, og det er at man skal bidra. bidra. Det var det som lå bak f.eks. da Bjarne Håkon Hanssen lanserte kvalifiseringsprogrammet. Da Bjarne Håkon Hanssen sa at sosialklienter «må stå opp om morran», var det arbeidslinjen som lå bak. Da var tanken nettopp at man skulle ha aktivitet, at det også skulle lønne seg å jobbe, som i hvert fall Høyre har snakket om lenge, og det at man skulle bidra også når man kom på Nav for å hente midler til livsopphold. Hvis det nå er sånn at Arbeiderpartiet har gått bort fra arbeidslinjen, er det noe Høyre har mistenkt lenge, men det er greit å få det bekreftet svart på hvitt fra talerstolen i Stortinget. Representanten Kari Henriksen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg synes bare det er interessant å se det engasjementet som Torbjørn Røe Isaksen viser, så jeg tror vi har truffet en øm tå. Hvis Torbjørn Røe Isaksen kan fortelle meg hva jeg har sagt i mitt innlegg som sier at Arbeiderpartiet ikke støtter arbeidslinjen, er jeg veldig takknemlig for det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Stortinget har nå kommet til sak Saken som her ligger til behandling, har ikke ligget ute i den reglementsmessige tid, dvs. 48 timer. Med hjemmel i forretningsordenen § 32 vil presidenten foreslå at Stortinget likevel behandler denne saken nå. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses dermed som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

La meg innledningsvis understreke to viktige sider ved sosialhjelpen. For det første er sosialhjelpen ment som samfunnets siste sikkerhetsnett, og for det andre er sosialhjelpen ment å være midlertidig. Målet er at flest mulig skal være økonomisk selvhjulpne. Da er det viktig at sosialhjelpen blir fulgt opp med aktivitet og god rådgivning. Det er også viktig å ha fleksibilitet i virkemidlene og nærhet til brukerne. brukerne. Det er derfor sosialhjelpen er et kommunalt og ikke et statlig ansvar. Det første forslaget i saken er at kommunene ikke skal ha adgang til å foreta avkorting i foreldrenes sosialhjelp på bakgrunn av inntekt under den skattemessige friinntektsgrensen til barn under 18 år. Komiteen er tydelig på at barn ikke har ansvar for å forsørge sine foreldre. Komiteen er også opptatt at barn av sosialhjelpsmottakere, i likhet med andre barn, skal kunne ha gleden av egen inntekt. Når flertallet velger å ikke slutte seg til forslaget om å innføre et slikt forbud, er det med bakgrunn i at vi ikke ser noe behov for et sånt forbud. Vi er kjent med at det jobbes med et nytt rundskriv om saken, og vi støtter de signalene som statsråden gir i sitt svarbrev til komiteen. støtter de signalene som statsråden gir i sitt svarbrev til komiteen. Det er også understreket i flertallets merknader. Det neste forslaget er å innføre et lovmessig krav om aktivitetsplikt for den enkelte sosialhjelpsmottaker. Det er et flertall i komiteen som mener at en lovpålagt aktivitetsplikt, på den måten forslaget tar til orde for, ikke er hensiktsmessig. Det er derfor en går mot forslaget. Det er hjemmel til å pålegge aktivitet i dagens lov. Dette brukes i varierende grad. Lovens bestemmelser krever at kommunene skal forvalte loven, slik at den forebygger og bekjemper fattigdom, og det vil i svært mange tilfeller være hensiktsmessig at dette blir kombinert med aktivitet. Komiteen forutsetter at kommunene følger dette opp, slik loven i hver enkelt sak vurderer å stille krav om aktivitet og gir en god sosialfaglig oppfølging, vil det bidra til at flere blir økonomisk selvhjulpne. Det finnes ikke gode tall på i hvor stor grad kommunene nytter denne retten til å sette vilkår ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Det er behov for mer kunnskap om bruken av aktivitet. Det er også bruk for en nærmere vurdering om bruken av aktivitet. Det er også bruk for en nærmere vurdering av dagens rammer rundt sosialhjelpen. Derfor har komiteens flertall, bestående av regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, på dette punktet valgt å be regjeringen komme tilbake med en vurdering av i hvilken grad sosialhjelpen kan og bør kombineres med krav til aktivitet, og med forslag til hvordan dette kan gjøres. Det tredje punktet i Dokument 8-forslaget er å gjøre den kommunale sosialhjelpen statlig og å innføre normerte satser på tilnærmet likt nivå over hele landet. Det er gledelig at det kun er Fremskrittspartiet som støtter en slik statliggjøring av sosialhjelpen. Et slikt grep vil svekke kommunenes mulighet til å drive et helhetlig arbeid for å gjøre innbyggerne økonomisk selvhjulpne. Jeg mener forslaget må ses i sammenheng med Fremskrittspartiets tradisjonelle iver etter, også på andre områder, å statliggjøre og byråkratisere ordninger innenfor velferdsstaten. Det er for meg noe uklart hva som ligger i begrepet noe uklart hva som ligger i begrepet «normerte satser tilnærmet likt over hele landet». Det er slik at i forslaget tas det til orde for en geografisk differensiering, og dette er noe nytt. Ingen andre ytelser vi har innenfor velferdsstaten vår, er geografisk differensiert. Jeg ser for meg et ganske stort byråkrati når en bytter ut den lokale kjennskapen og det lokale statlig velferdsdirektorat. Skal man ha et eget direktorat som skal vurdere disse satsene og de ulike livskostnadsforholdene i de ulike kommunene – det blir å spekulere – blir det en byråkratisk og dårlig ordning, som undergraver det som er selve fundamentet med sosialhjelpen, nemlig den individuelle tilpassingen og oppfølgingen. oppfølgingen. Derfor ønsker en ikke å gå inn for det forslaget.
Steinar Westin peker på at lov om folketrygd og de velferdsordninger som gikk forut for den, kan ha hatt større betydning for folkehelsen enn medisinske nyvinninger ved at det har gitt folk tilgang til helsetjenester, gitt gode arbeidsforhold og bedret hygiene og ernæring. Utviklingen av sosiale ordninger som sikrer folk et Fabrikktilsynsloven kom i 1892, og det betød bedre arbeidsforhold for ansatte. Fattigloven kom i 1900. Den skilte riktignok mellom verdig og uverdig trengende. De uverdige, løsgjengerne, fanter, betlere og folk som var henfallen til drukkenskap, fikk sine rettigheter plassert i løsgjengerloven, ikke i fattigloven. Heldigvis er det ikke slik i dag. Dagens ordninger gjelder alle, og rettigheter og plikter er i all hovedsak forutsigbare og praktiseres på en god måte av forvaltningen. Likevel er det bra at det reises forslag, og at våre velferdsordninger debatteres. Vi må hele tida vurdere om vi er på rett vei, og om vi gjør de riktige tingene. Forslagene i denne saken og i saken om individstøtten, fra Fremskrittspartiet, Høyre og delvis Kristelig Folkeparti, har litt forskjellig innretning, men det kan tyde på at retningen for dem er at de mer eller mindre er de mer eller mindre er kosmetiske i sitt hold. Jeg må si at jeg er litt overrasket over at Kristelig Folkeparti har gitt sin tilslutning til flere av disse forslagene, da de i sum viser en retning i sosialpolitikken som er nærmere Fremskrittspartiet enn sentrum, slik som jeg ser det. Når det gjelder avkorting i foreldres sosialhjelp, skal den utmåles etter konkret vurdering av den enkeltes behov. Det er et viktig prinsipp, og forvaltningen må sørge for at dette følges opp. Barn har ingen plikt til å forsørge sine foreldre, og det skal heller ikke barn av sosialhjelpsmottakere ha. Stortinget vedtok i lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsetaten at Statens helsetilsyn skal ha et overordnet ansvar for tilsyn med kommunal virksomhet i Nav. Arbeiderpartiet mener at det å få på plass denne tilsynsordningen har vært viktig. Tilsynet avdekket flere lovbrudd og dårlig styring i behandlingen av økonomisk sosialhjelp ved et landsomfattende tilsyn i 2010. 2010. Nav må bruke disse rapportene til å bli bedre, slik at praksis kommer i samsvar med intensjonene i lover og regler. Uansett hvordan vi innretter lovverket med hensyn til rettigheter og plikter, vil det alltid være rom for skjønn og tolking. Det er bra. Det ideelle er at praksis inngir tillit og troverdighet, at brukerne har tiltro til at ansatte vil dem vel. Forslagene om aktivitetsplikt for alle og statlig forvaltning av sosialstøtten er heller ikke av en slik karakter at de er uten avgrensning. Opp gjennom historien har vi sett at ansvar for tiltak som omhandler helse, arbeid og sosiale tjenester, flyttes mellom helsetjenesten og sosialtjenesten og mellom stat og kommune. Ikke noen form for organisering eller innhold er endelig, og det skal det heller ikke være. Vi skal organisere tjenestene slik at de kan løse det som til enhver tid er lover og forskrifters intensjon. De forslagene som foreligger i dag, er ikke av en slik karakter at det er behov for strukturelle endringer for å få bedre tjenester, etter mitt syn. Men det er interessant å se at de borgerlige partiene igjen enes om tiltak som avgrenser mulighetene for folk. Unge som slutter skolen, og folk som mottar sosialhjelp, skal møte strengere krav for å få hjelp fra det offentlige. Forslagene innebærer også en trend vi ofte ser fra Fremskrittspartiet, at man vil ha regler som skal omfatte hele og mindre vekt på den individuelle vurderingen. vurderingen. Dette representantforslaget inneholder tre viktige forslag som vil kunne bidra til å aktivisere sosialhjelpsmottakere på en mye bedre måte enn i dag. Det er mange unge som lever i familier som har økonomisk sosialstønad som inntekt, kan du si. Disse unge har ofte dårligere økonomi enn vennene sine, og på lik linje med jevngamle har de kanskje et ønske om og behov for å jobbe og kunne tjene noen kroner selv. I dag er det veldig ulikt hvordan kommunene godtar det, og veldig mange unge får ikke mulighet til å ha inntekt under den skattefrie grensen. De går glipp av muligheten til å tilegne seg verdifulle erfaringer fra yrkeslivet. De mulighetene som disse ungdommene ungdommene i dag har til å bedre sin økonomi, er å ta svart arbeid. Det er mange av dem som gjør det for at det ikke skal bli registrert, eller de rekrutteres inn i rekken av kriminelle. Det er ikke ønskelig. Dessverre har ikke andre enn Høyre og Kristelig Folkeparti sluttet seg til forslaget om å la unge som lever i familier med sosialstønad som inntekt, få samme mulighet som andre ungdommer til å prøve seg i arbeidslivet og forbedre økonomien sin. I forslag nr. 2 fremmer Fremskrittspartiet og Høyre forslag om lovendringer, slik at det kan innføres et lovmessig krav om aktivitetsplikt. Aktivitet og jobb er ikke straff. Det er helt naturlig at man gjør en innsats for å få penger, og de som ikke har muligheten til å få jobb i det ordinære arbeidslivet, har ikke vondt av å bidra med arbeidskraft i kommunen. Jeg vil ta et eksempel fra Åmli kommune. Det er veldig mange uføretrygdede der, men det er også mange sosialhjelpsmottakere. De klarte å redusere utbetalingene til sosialhjelp med 90 pst. da de innførte arbeidsplikt. Det ble en vurdering fra dag én. De har arbeidstiltak

og gi alle mennesker en mulighet til å gjøre en innsats. Vi har bruk for alle mennesker. Vi har masse ugjort i kommunene våre og i samfunnet. Sosialhjelpsmottakere er mennesker med ubrukte ressurser, og det finnes arbeidsoppgaver til dem. I noen tilfeller er det de tillitsvalgte som stopper det. De vil ikke at ordinære arbeidsoppgaver skal settes bort til andre. Men det er så viktig at de som mottar passive får arbeidstrening. Alle kan være med her, så sant de ikke er syke, og da skal de heller ikke være sosialhjelpsmottakere over tid. Kommuneøkonomien skal ikke være avgjørende for hva sosialhjelpsmottakere skal ha å leve av. Det skal heller ikke være avgjørende for om de får en oppfølging eller ikke, eller om de har tiltak. Vi mener at alle kommuner skal være forpliktet til å ha arbeidstiltak,

tid. Den følelsen ønsker vi å ta bort fra dem som er utsatt for det. Vi ønsker også å gjøre sosialhjelpen til et statlig ansvar under Nav og innføre normerte satser som er tilnærmet like over hele landet. Det er ikke noe hokuspokus, og det er mindre byråkrati enn i dag. De fleste i dag tjener jo det samme, enten de jobber i den ene eller den andre kommunen i landet. I de fleste offentlige stillinger er det jo ikke slik at hvis du har høye utgifter, kan du gå til arbeidsgiveren din og be om mer penger. Vi har en viss sum å forholde oss til, som vi skal kunne klare å leve av. Det bør også sosialhjelpsmottakere kunne ha. Det er snakk om mindre byråkrati, og man kunne heller bruke mye mer krefter på å hjelpe den enkelte med andre sosiale problemer, eventuelt med å komme i arbeid. Det er der ressursene må brukes, ikke til å sitte og regne ut hva de har rett på, og hva de ikke har rett på.

representantene våre stemmer riktig. Det stemmer at her har nok en gang ikke de borgerlige partiene, men sentrum–høyre, som er den foretrukne måten å karakterisere det på, funnet sammen. Det er veldig bra. Det tror jeg representanten Henriksen og andre bare skal bli vant til, så slipper man å bli sjokkert over det hver gang. Da blir det behageligere å sitte i denne sal. Høyre er et parti for lokalt selvstyre. Det kommer vi til å fortsette å være – helt konsekvent, også når det gjelder sosialhjelpen. Så vi sier i tråd med Høyres tradisjon nei til å statliggjøre sosialhjelpen. Det gjelder mange av argumentene som Senterpartiet har for det. Når det gjelder dette med barn og sosialhjelp, er det ikke vanskelig å forstå at det kan finnes helt ekstreme tilfeller. Når 16-åringen har tjent 800 000 kr på app-er, og foreldrene kommer og ber om sosialhjelp, er det naturlig kanskje å skule til at 16-åringen har 800 000 kr i årsinntekt. Men det er jo ikke det vi foreslår. Forslaget er veldig enkelt: Hvis et barn har en inntekt under friinntektsgrensen, skal det være så enkelt at da skal det få lov til å ha den inntekten. Grunnen til at dette har blitt et problem, er at det ikke er alle kommuner som har lik praksis her. Det gjelder kommuner hvor det er forskjellige partier som styrer. Jeg synes det må være veldig enkelt å si at barn skal få lov til å tjene sine egne penger og være sikre på at de slipper å få høre at de slipper å få høre at fordi du hadde sommerjobb eller deltidsjobb og tjente litt mye, får foreldrene dine lavere sosialhjelpsutbetaling. Jeg kan ikke tenke meg en noe mer hjerterå politikk enn det. Men jeg håper at departementet, selv om regjeringspartiene stemmer ned dette forslaget, skjerper dette og er klar på hvordan dette skal praktiseres. Så er det det siste punktet, som dreier seg om aktivitetsplikt. Det var i forrige innlegg litt snakk om «vårt sanne ansikt», og om

Noen kommuner har – Åmli ble nevnt – brukt det med stort hell. Det er nettopp med utgangspunkt i at når det gjelder unge mennesker, kan man si at det å stille krav er å vise at man ikke gir folk opp. Å stille krav er å bry seg. For voksne er det ikke slemt å kreve aktivitet; det er effektivt, det er økonomisk gunstig, og det er bra for samfunnet. Vi vet at det i veldig mange kommuner ikke og vi vet at på enda flere Nav-kontorer bruker man ikke de sanksjonsmulighetene man har. Det har vært tallrike eksempler på at man har hatt kurs og aktiviteter hvor man har deltakere som ikke møter opp, men som på en enkel måte sikrer at man allikevel får utbetalt det man skal ha som deltaker på kurset. Den frikoblingen fra å måtte møte opp og være med på noe for å få penger, er det ikke mange folk som kjenner seg igjen i i Norge. Norge. For folk er det slik at man kommer på jobb, og når man har jobb, får man lønn. Den koblingen synes jeg man også skal ha for folk som kommer for å motta sosialhjelp.

dag. Når Arbeiderpartiet da ikke bare sier nei til en aktivitetsplikt – man kan jo ha sine grunner til det – men ikke engang har vært interessert de siste seks årene i å spørre seg hvorfor kommunene ikke bruker muligheten til å pålegge aktivitet som man har i dag, kan det være nok et eksempel på at Arbeiderpartiet – sakte, men sikkert – er på vei bort fra den arbeidslinjen de har stått for i så mange år.

noe jeg tror vil være med på å hjelpe flere mennesker tilbake til arbeid eller inn i ny aktivitet. Fattigdomsbekjempelse er en kamp for menneskeverdet, og det å lykkes med å få flere mennesker i arbeid og aktivitet er en nøkkel for å lykkes nettopp i det arbeidet. Arbeid skaper gode nettverk, en kan få realisert seg selv, og en får egen inntekt. Når en faller ut av arbeidslivet og utenfor andre stønader, skal sosialhjelpen være der som et sikkerhetsnett. Men for Kristelig Folkeparti er det viktig at dette er en midlertidig stønad, og at Nav er bevisst på å hjelpe mottakerne over på andre ordninger. Da er avklaring og individuell behandling og oppfølging viktig. Da er også aktivitet et viktig stikkord. Vi ønsker ikke passiviserte stønadsmottakere, men flest mulig tilbake i aktivitet. I dag ser vi at for mange kommuner ikke er seg sitt ansvar bevisst, og mangler et aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottakerne. Det kan føre mennesker ut i permanent passivitet. Derfor er jeg glad for at regjeringspartiene støtter vårt forslag om å få en mer grundig behandling av hva vi kan gjøre for å aktivisere flere sosialhjelpsmottakere. Det er viktig at man treffer riktig, slik at alle som får sosialhjelp i tillegg til f.eks. uføretrygd, alderspensjon eller er opplagt unaturlig å kreve aktivitet av, skal bli unntatt. Når debatten her dreier seg kun om aktivitet som pisk, vil jeg også understreke at noe av det som er viktig med denne saken, er nettopp at kommunene skal tilby aktivitet. Det er ofte utfordringen også at kommunene ikke er flinke nok til å følge opp dem som er på sosialhjelp, både det at de ikke blir tilbudt aktivitet og at de går på sosialhjelp over for lang tid.

denne regjeringen nytenkning. Denne saken har også et annet viktig forslag som regjeringspartiene dessverre ikke støtter. Det gjelder å forhindre at foreldre som mottar sosialhjelp, opplever at dersom barn under 18 år har egen inntekt under den skattemessige friinntektsgrensen, blir sosialhjelpen avkortet mot den. Dette burde være et opplagt forslag å støtte. For det første er det urettferdig for de ungene som opplever det, og for det andre blir ikke disse ungdommene motiverte eller inspirerte til å arbeide litt. Det er jo veldig vanlig å ha en sommerjobb eller en deltidsjobb for å tjene litt penger til f.eks. å ta førerkort eller for å være sikret noen lommepenger. At foreldrene til disse ungdommene da skal risikere å bli trukket i sosialhjelpen, er vanskelig å forstå kan være rimelig. rimelig. Det burde regjeringspartiene vært enig i, slik at dette forslaget kunne blitt vedtatt. Så ser jeg at Arbeiderpartiet i dag tydelig har lagt seg på en konfliktlinje, gjennom representanten Henriksen, og at de stadig skal angripe Kristelig Folkeparti for å legge seg nærmere Fremskrittspartiet enn Arbeiderpartiet. Jeg er ikke redd for å legge meg nærme det ene eller det andre partiet. Det jeg er opptatt av, er politikken som blir vedtatt. Hvis det å legge seg nærmere Fremskrittspartiet er å hindre at foreldre blir fratrukket sosialhjelp fordi ungene tjener litt, er jeg veldig stolt av det. Eller hvis det er det forslaget der Kristelig Folkeparti går sammen med nettopp Arbeiderpartiet om å se på hvordan en kan få et bedre aktivitetstilbud for dem som er sosialhjelpsmottakere, skjønner jeg heller ikke kritikken.

Den individuelle vurderingen og behandlingen er helt grunnleggende i det sosiale arbeidet. Den økonomiske stønaden utgjør ett av flere virkemidler. Den skal sammen med andre tjenester bidra til at den enkelte overvinner de vanskene som hindrer ham eller henne i å forsørge seg selv og sin familie. Mennesker som mottar økonomisk stønad, har ofte også andre problemer enn de rent økonomiske. Det er derfor viktig at sammen med andre offentlige tjenesteytere kan ta hensyn til hele problemkomplekset, og sammen med den det gjelder, finne tiltak som tar tak i årsakene til problemene. Utviklingen av tjenestene i de senere årene har derfor gått i retning av større – ikke mindre – grad av individuell tilpasning. Hensynet til at barn og unge i vanskeligstilte familier skal få gode oppvekstvilkår på lik linje med jevnaldrende, er grunnleggende for de sosiale tjenestene. Dette hensynet skal også ligge til grunn ved vurdering av unges egen inntekt når en familie søker sosialhjelp. Men, en ordning som innebærer at kommunene aldri kan ta hensyn til at barn under 18 år har egen inntekt, er ikke uproblematisk og vil bl.a. medføre avgrensningsproblemer. Hvordan skal det f.eks. skilles mellom oppsparte midler som stammer fra barnas arbeid, og midler fra andre kilder, f.eks. arv og gaver? Jeg er også bekymret for at en slik absolutt regel kan føre til at noen ungdommer kan presses til å jobbe mer enn de selv ønsker for å bidra til familiens samlede økonomi. Hensynet til at barn med foreldre som mottar sosialhjelp, på samme måte som andre barn, skal kunne ha glede av egne arbeidsinntekter, vil bli ytterligere understreket i det nye rundskrivet som er under utarbeidelse.

knyttet til grupper eller enkeltpersoner som av ulike grunner ikke kan eller skal pålegges aktivitetsplikt. Dette gjelder f.eks. personer som mottar supplerende stønad til ytelser fra folketrygden, og personer med tyngende omsorgsansvar. Jeg ønsker å sikre mer informasjon om bruken av aktivitetskravet. Jeg støtter derfor komiteens flertall, alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, som «ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av i hvilken grad sosialhjelp kan og bør kombineres med krav til aktivitet, med forslag til hvordan dette kan gjøres». Forslagsstillerne ønsker å statliggjøre sosialhjelpen. Jeg er uenig i det. Det avgjørende for brukerne er at de får gode tiltak og tilstrekkelig stønad til rett tid. Om det er kommunen eller staten som står for utbetalingene, betyr neppe noe særlig for den enkelte. Forslagsstillerne ønsker også en sosialhjelp som i større grad enn i dag er normert. Jeg mener at økonomisk sosialhjelp fortsatt bør være et siste sikkerhetsnett, basert på prinsippet om at denne stønaden er en subsidiær ytelse og utmålt for å dekke et individuelt behov. En eventuell innføring av normerte satser vil være i strid med dette prinsippet. Det blir replikkordskifte. Jeg vil bare korrigere statsråden: Hun hørte helt sikkert at jeg sa at Høyre også kom til å stemme for

dag? Da er det egentlig tre muligheter: Enten er det et ja, eller så er det et nei, eller så har man ikke gode nok tall for å kunne si noe om det. Jeg hadde tenkt å si at det er et ja, et nei eller et «vet ikke» – i hvert fall «ikke tilstrekkelig», og det er vel det jeg har gitt uttrykk for når jeg har sagt at vi nå skal gjennomgå dette veldig nøye. Jeg tror vel at en av grunnene til at kommuner – og det gjelder både Høyre-kommuner og arbeiderpartikommuner – ikke bruker dette, kan være mangel på god aktivitet. aktivitet. Det er mange grunner til at man ikke gjør det når det er hensiktsmessig, men det kan nok også være tilfeller, hvor det, i hvert fall etter mitt syn, ville ha vært hensiktsmessig, men hvor det ikke brukes fordi også Høyre-kommuner ikke har gode aktivitetstilbud. Jeg tror vi skal være så ærlige å si at vi har et generelt problem når det gjelder aktivitetskrav i dette samfunnet, og det er å finne gode aktivitetsmuligheter. Jeg hørte at representanten Røe Isaksen også sa mennesker som vi skal få tilbake til samfunnet, må settes på konstruktive, gode tilbud; hvis ikke virker det faktisk destruktivt. Og jeg tror vi har en utfordring når det gjelder å finne gode aktivitetstilbud ikke bare i kommunene, men også i privat virksomhet. Først vil jeg bare si at jeg er veldig enig med statsråden i det svaret hun ga nå. Det som er Først vil jeg bare si at jeg er veldig enig med statsråden i det svaret hun ga nå. Det som er viktig, er å følge opp kommunene i den grad de faktisk tilbyr noe. Det forslaget som nå foreligger, og som kommer til å bli vedtatt i dag, kan være med på å bidra til det. Jeg tror at en av grunnene til at kommunene kanskje ikke setter i gang aktivitet, er at det faktisk koster penger. Sosialhjelpen er jo en kommunal ytelse, og gjennom dette kan en også klare å få riktig ytelse, som er statlig, og som knyttes nærmere til aktivitet. Så jeg synes det er viktig å få den gjennomgangen.

hadde fått sosialhjelp i mer enn seks måneder. Hva tenker statsråden om det? Og: Hva er de konkrete tiltakene for at sosialhjelpen faktisk skal være midlertidig, slik tanken bak den er? Jeg er helt enig i at det er for mange personer som er langtids sosialhjelpsmottakere. Samtidig går tallene i positiv retning. Det er bra. Men det er fortsatt for mange som går på dette over lang tid. Et av de mest suksessfulle virkemidlene vi har iverksatt, er kvalifiseringsprogrammet. Jeg ser at man er opptatt av at det er noe nedgang i det. Det skyldes bl.a. at man nå har vært veldig målrettet på at det faktisk er den gruppen som skal inn her. Kvalifiseringsprogrammet er viktig. Så mener jeg at vi har det absolutt beste utgangspunktet noe land kan ha for å få ned sosialhjelpen, og det er at vi har lav ledighet. Hvis vi sammenlikner med land som har helt andre ledighetsnivå enn det vi har, Så mener jeg at vi har det absolutt beste utgangspunktet noe land kan ha for å få ned sosialhjelpen, og det er at vi har lav ledighet. Hvis vi sammenlikner med land som har helt andre ledighetsnivå enn det vi har, ville det å kunne tilby noe presumptivt være enda vanskeligere. Jeg tror at aktivitet er et virkemiddel. Jeg tror også vi skal være enige om at det er et problem å få til – jeg gjentar meg selv – god og målrettet aktivitet, og det understreker enda mer for meg hvor viktig det er at det er kommunen som sitter med dette, for det er faktisk kommunen som

Hvorfor mener statsråden at det er riktig og rettferdig og nødvendig å ha så store forskjeller i utbetalingene? Mener statsråden at det er fornuftig å ha en totalsum som er så høy at familien vil ha mindre igjen om de går ut i arbeidslivet?

må vi på en måte diskutere dette på et nivå hvor vi får en god diskusjon. Det er ikke gjennomgående et problem at folk sitter med 600 000 kr i sosialhjelp. Det har vært oppslag – jeg har også sett at noen har sagt at det er feil, jeg vil ikke gå inn på det – men i utgangspunktet er det ikke det. Det som er viktig, er at sosialhjelp skal være det siste du får, og derfor skal det være tilpasset ditt faktiske økonomiske behov. Det skal tilpasses din faktiske levesituasjon, og da er det å lage normerte satser feil vei å gå, for i noen tilfeller vil det være for høyt, og i andre tilfeller vil det være for lavt. Vi må gjøre en god og individuell tilpasning. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet foreslår ordninger når det gjelder uføre, som ville føre til at veldig mange mennesker vil falle ut av uføreordningen og komme over på sosialhjelp, og så skal man normere den. For meg likner dette på en slik minstenormeringssats som noen mennesker skal få, og som jeg er grunnleggende mot.
Da er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

erfaringer. I den kommunen som jeg bor i, og i det kommunestyret jeg satt i, tillot jeg meg ved en anledning – for øvrig med full støtte fra kommunens tillitsvalgte – å foreslå at sosialhjelpen skulle brukes som lønn for arbeid i kommunen, brukes som lønn til trengende arbeidsføre sosialhjelpsmottakere, i i stedet for å yte passiv sosialhjelp. Det forslaget ble blankt avvist av Fremskrittspartiet og Høyre. Nå er det neppe vanskelig å finne eksempler på at sosialhjelpsreglene brytes. Vi hører jo av og til om eksempler på utbetalinger i en størrelsesorden som vanlige lønnsmottakere ikke kan være bekjent av. Men når det kommer til stykket og man skal forsøke å dokumentere disse eksemplene, blir det langt vanskeligere. Fremskrittspartiet viser i innstillingen til Bergen, der det påstås at det er mulig å hente ut ytelser, sosialhjelp, i Også ved denne anledningen har det vist seg veldig vanskelig å dokumentere at det finnes noen eksempler på at det gis slike utbetalinger. Om det skulle være noen som virkelig har greid å hente ut ytelser i en slik størrelsesorden, er det noen som ikke har gjort jobben sin. Hele poenget med sosialhjelpen er jo at den er en individuell ytelse, og det er den enkeltes livssituasjon som dermed avgjør størrelsen på de ytelser som gis. Dette er selve grunntanken i hele sosialhjelpslovgivningen. Det er viktig å holde på at sosialhjelpen skal være en støtte til livsopphold for mennesker som i en kort periode i livet har kommet i en veldig vanskelig livssituasjon, og som ikke har andre inntektskilder. Det blir prinsipielt galt om sosialhjelpen blir omgjort til en trygdeytelse. La meg først kommentere noen setninger til representanten Pollestad. Pollestad. Pollestad sier at med de samme normerte satser over hele landet vil man få en geografisk differensiering. Det er jo nettopp dagens system som skaper geografisk differensiering! I dag ser vi store ulikheter fra kommune til kommune. I en av kommunene i mitt eget hjemfylke, Verran kommune, har man ikke regulert sosialhjelpssatsene for og har langt under de anbefalte satsene. Er det noe som skaper geografisk differensiering, er det dagens system. Så registrerer jeg at der Fremskrittspartiets forslag gjelder unger som er under 18 år, som tar seg en bijobb, som tjener penger under den skattemessige grensen – som går ut i arbeidslivet for å vise at det lønner seg Så registrerer jeg at der Fremskrittspartiets forslag gjelder unger som er under 18 år, som tar seg en bijobb, som tjener penger under den skattemessige grensen – som går ut i arbeidslivet for å vise at det lønner seg å jobbe – sier Pollestad at man er enig i prinsippet om at det ikke skal være sånn. Det sier for øvrig også Arbeiderpartiet – de er enig i prinsippet om at barn ikke skal forsørge sine foreldre, men man ser ikke behovet for å gjøre en sånn endring. Undersøkelser fra september 2011 – som ikke grensen, og foretar avkorting i foreldrenes sosialhjelp. Det betyr at den gutten som i utgangspunktet ikke har råd til å bli med fotballaget på Norway Cup, og som tar seg en sommerjobb for å få nok penger til å betale egenandelen for å bli med laget sitt, ikke får muligheten fordi kommunen trekker skatt av inntekten. Så sier Arbeiderpartiet at her må vi sørge for at Nav opptrer på en annen måte. Dette ligger ikke under Nav, Dette ligger ikke under Nav, det ligger hos de 429 partnerne til Nav, kommunene. Det er derfor Fremskrittspartiet foreslår å overføre ansvaret, slik at vi får et enhetlig, samlet ansvar hos Nav. Også der tar Arbeiderpartiet feil. Så vil jeg si – som representanten Røe Isaksen var inne på: Jeg synes det er veldig fornuftig å innføre aktivitetsplikt. Det er også veldig fornuftig å innføre et øvre tak på hvor mye du kan få i ytelser. Jeg registrerer at begge disse tingene peker også Brochmann-utvalget på og foreslår tiltak for å få en bedre innretning på dette. Jeg registrerer at både Arbeiderpartiet og statsråden synes at Brochmann-utvalgets forslag på dette området er veldig fornuftig og bra. Jeg – og Fremskrittspartiet – synes at det er gode forslag. Man bør lytte til Brochmann-utvalget på dette området. Jeg vil avslutningsvis minne om at de rød-grønnes utstillingsvindu i Trondheim har praktisert aktivitetsplikt i mange år og har lang og god erfaring i å finne gode aktiviteter. Så det er fullt mulig. Jeg ønsker å knytte noen ytterligere kommentarer til forslaget og debatten som har vært. For det første: Når det gjelder Så det er fullt mulig. Jeg ønsker å knytte noen ytterligere kommentarer til forslaget og debatten som har vært. For det første: Når det gjelder spørsmålet om avkorting, sier en at et for kategorisk regelverk, altså slik som det er foreslått fra Fremskrittspartiets side, kan gi noen uheldige utslag. Vi er ikke uenig i prinsippet om at barn skal få beholde sin egen inntekt, men jeg greit. Representanten Giltun sa at det er kommunene som skal tilby tiltakene. I forslaget står det at sosialhjelpen skal bli «et statlig ansvar». Fremskrittspartiet tar altså til orde for et system der staten betaler sosialhjelpen. Det vil bety at kommunene ikke har noe å tjene på å tilby relevant aktivitet og god oppfølging som gjør folk økonomisk selvhjulpne, fordi det er staten som tar regningen. Så til forslaget om en sosialhjelp som skal være tilnærmet lik over hele landet. Det er viktig å være klar over at i forslaget står det at sosialhjelpen skal være «tilnærmet» lik. Men i innleggene fra Fremskrittspartiet har man argumentert for at den skal være lik. Da blir jeg litt forvirret. Ønsker Fremskrittspartiet at det skal være likt,

at vi har et forslag som får flertall, der regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har funnet sammen, der vi sier at vi vil utrede dette med aktivitet nærmere. Vi ser behovet for forbedringer. Det er jo gledelig at Høyre har kommet på den tanken at de skal støtte dette forslaget subsidiært. Jeg tror det er viktig at vi erkjenner at ikke alt er perfekt i dag. Jeg tror også det er viktig at vi har faktabaserte og også det er viktig at vi har faktabaserte og kunnskapsbaserte vedtak. Derfor var det ikke aktuelt å støtte forslaget fra Fremskrittspartiet. Men vi er fornøyd med at Kristelig Folkeparti tok ansvar og ble med på et forslag om at en skal komme tilbake til disse spørsmålene, og hvordan vi kan gjennomføre dette. For målet må være at vi skal ha gode redskaper, sånn at flere kan bli økonomisk

og som kan frigjøre arbeidskraft og fokusere på å få stønadsmottakere ut i arbeid. Det er ikke snakk om å lage satser som er forskjellige i 429 kommuner – eller hvor mange det er nå – det er snakk om at en hvis det er helt spesielle områder hvor det er helt spesielle kostnader, kan justere noe. Det er ikke snakk om å ha de forskjellene som er i dag. Dette er bare for å ha en mulighet til justering, så det er ikke vits i å bruke mye tid på det begrepet. Jeg har problemer med å forstå statsrådens argument om at økonomisk stønad ikke skal ha en begrensning oppad, og at en til enhver tid skal forholde seg til utgiftene til dem som skal motta stønad, eller behovet de til enhver tid har. Arbeid skal alltid lønne seg, sier statsråden. Da kan ikke jeg forstå annet enn at den økonomiske bistanden må ligge under det vedkommende ville fått ved å være i arbeid. arbeid. Da er det snakk om lavlønnsarbeid, som de fleste vil ha muligheten til å gå inn i. I dag er det sånn at barnas inntekt blir tatt med, som det er sagt her flere ganger. Jeg lurer på om statsråden ikke har tenkt på dette med svart arbeid. Veldig mange av å beholde trygden. Det ville de ikke kunne gjort hvis de måtte møte opp på et arbeidstiltak hver dag. Grunnen til at vi foreslår kommunene, er at kommunene har veldig mange ugjorte arbeidsoppgaver. Det er veldig mye som skal gjøres, og det er veldig mange oppgaver som er egnet for dem som ikke har så mye arbeidstrening fra før. De vil da få god arbeidstrening, for samarbeid mellom Nav, stat og kommune er fullt mulig å få til. Det får man til i dag også der hvor det er ønskelig.

det skal være opp til kommunestyrene? Jeg synes det eksemplet Gullvåg ga, var veldig godt. Uansett om det er Fremskrittspartiet, Høyre eller Arbeiderpartiet som stemmer ned et sånt forslag, er det meningsløst. Dette skulle ikke kommunestyrene få lov til å gjøre i det hele tatt. Det er et godt argument for at det bør bli statlig og likt i hele landet, så alle får samme muligheten og alle som bor i kommunene, får en plikt til å delta. Presidenten vil bemerke at ordet «meningsløst» ikke er et passende parlamentarisk uttrykk.

som bor hjemme, og som har egen inntekt under det som kan være den skattemessige friinntektsgrensen. La meg understreke: Barn skal ikke forsørge sine foreldre. Også barn av sosialhjelpsmottakere skal få ha sine inntekter i fred, på lik linje med alle andre. Det er det som er regelen i dag. Da må vi sørge for at disse reglene blir etterlevd. Vi trenger ikke nye regler som slår fast at de gamle reglene skal etterleves. Videre foreslår Fremskrittspartiet og Høyre et lovmessig krav om aktivitetsplikt for den enkelte sosialhjelpsmottakeren. Igjen slår de inn åpne dører. Kommunene har hjemmel til aktivitetsplikt. aktivitetsplikt. Jeg er for at arbeidsføre sosialhjelpsmottakere skal settes i arbeid og aktivitet. Men det krever også at det finnes arbeids- og aktivitetstilbud, og at vi sørger for en god sosialfaglig oppfølging av dem som er med på disse tiltakene, slik at sosialhjelpsmottakerne etter hvert kan settes i stand til å klare seg selv. Men en lovfestet aktivitetsplikt, slik som Fremskrittspartiet og Høyre foreslår, bryter jo med den individuelle behandlingen, som er hovedprinsippet i all sosiallovgivning. Oppgaven burde etter min oppfatning heller være å sørge for at vi oppretter de nødvendige arbeids- og aktivitetstiltakene rundt omkring i kommunene, slik at de som trenger det, får den hjelp som de har behov for. Representanten Giltun lurte på hvorfor ikke jeg var for et beløp begrenset oppad når det gjelder sosialhjelp. Poenget er at det er det i dag. Sosialhjelpen er den siste utveien, og det er altså stønad til nødvendig livsopphold. Det Fremskrittspartiet i realiteten her foreslår, er jo at man går utover det, ved å lage normerte satser. Det er vi uenig i. Når det gjelder aktivitetsplikt, mener jeg i likhet med representanten Gullvåg at det er klokt i veldig mange tilfeller. Det kan være tilfeller hvor det ikke er klokt. Vi har veldig mange kommuner også helt sikkert fremskrittspartikommuner – hvor man ikke benytter aktivitetsplikten. Vi skal nå gå gjennom og se på hvorfor man ikke gjør det, og om det er behov for å gjøre det i større grad. Men å lage en absolutt regel mener jeg er feil. Jeg forstår faktisk ikke begrunnelsen for det, og jeg synes heller ikke det har kommet noen god begrunnelse for det under den debatten vi har hatt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13.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

I representantforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslås det å be regjeringen legge fram forslag om forbedringer i ordningen med boligsparing for ungdom som må innbefatte en økning av det årlige sparebeløpet og taket for ordningen, og i tillegg en vurdering av å øke fradraget fra 20 pst. til 28 pst. Begrunnelsen fra forslagsstillerne er at Norge er blant landene i Europa hvor private sparer minst, og at det er behov for å stimulere den private spesielt blant ungdom for at de skal spare til sin første bolig. Forslagsstillerne viser også til at økte boligpriser de siste 10–15 årene og økt krav til egenkapital ved kjøp av bolig fra 10 pst. til 15 pst. av boligens verdi gjør at inngangsbilletten for å kjøpe egen bolig er økt kraftig. Jeg vil i det videre redegjøre for flertallets syn. La meg gjøre det klart innledningsvis at vi støtter forslagsstillernes intensjon om å øke den private sparingen og er enig i at BSU-ordningen kan bidra til å øke sparingen til egen bolig blant unge. Med økende boligpriser og høyere egenkapitalkrav ved kjøp av egen bolig er det imidlertid utfordrende for mange å komme inn på boligmarkedet. Dette sammen med husholdningenes økende gjeld gir grunn til bekymring. Jeg vil derfor understreke at vi mener det er behov for å vurdere flere tiltak enn forslagsstillernes forslag om å utvide BSU-ordningen for å bidra til at unge kommer inn på boligmarkedet, ikke bare å øke sparingen. Bakgrunnen for det er bl.a. at regjeringen, med bakgrunn i samme intensjon som hos forslagsstillerne, allerede i 2009 utvidet BSU-ordningen slik at maksimalt årlig sparebeløp økte fra 15 000 kr til 20 000 kr, samlet sparebeløp økte fra 100 000 kr til 150 000 kr, mens satsen for skattefradrag er på 20 pst. Likevel ser vi at i den aktuelle aldersgruppen, altså mellom 17 og 33 år,

Ifølge brevet fra finansministeren benytter en større andel av unge med høy inntekt BSU enn andelen av unge med lav inntekt. Av dem som benytter ordningen, har personer med høyere inntekt også i gjennomsnitt høyere sparebeløp og skattefradrag enn personer med lavere inntekt. Det kan derfor også være behov for å se på om dagens ordning i tilstrekkelig grad når unge med lavere inntekter. Denne problemstillingen sier forslagsstillerne ikke noe om i sitt forslag. Det kan ut fra dette se ut som om forslaget om å utvide BSU-ordningen alene ikke vil nå de store gruppene av unge som skal etablere seg på boligmarkedet. Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at unge skal få gode muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet gjennom den politikken som føres, og det er flere ting som allerede gjøres. Det viktigste vi gjør, er å føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer arbeidsplasser og en stabil rente. Dette er det viktigste vi kan gjøre for alle, også unge boligsøkende. Andre virkemidler regjeringen har iverksatt de siste årene, er økte rammer for ulike låne- og tilskuddsordninger gjennom Husbanken som skal imøtekomme bl.a. førstegangs boligkjøpere. Dette er f.eks. startlån, som er en låneordning gjennom Husbanken for bl.a. unge i etableringsfasen som sliter med å etablere seg på boligmarkedet eller har vansker med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som forvalter startlånet. Husbanken skal bistå den enkelte kommune med helhetlige løsninger for dem som trenger hjelp. En god bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig eller til å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. Alle skal bo godt og trygt. Dette er målet for boligpolitikken og en av bærebjelkene i den norske velferdspolitikken. Det er derfor viktig for å nå denne målsettingen at vi vurderer ulike virkemidler som vi politisk kan bidra med. BSU-ordningen er ett tiltak for å støtte opp under ønsket om at unge skal kunne kjøpe seg en egen bolig, men det er ikke tilstrekkelig eventuelt å utvide denne ordningen, og det er heller ikke sikkert at det er det beste virkemidlet for at unge skal få gode muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet. Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om boligpolitikken som skal legges fram i løpet av 2012, der de ulike virkemidlene regjeringen rår over overfor unge mennesker som vil inn på boligmarkedet, inklusiv BSU, vil bli vurdert. Komiteen foreslår at forslaget vedlegges protokollen.

sannsynligvis også fordi man har hatt dårlig råd, kanskje på grunn av at man har vært under utdanning, og kanskje fordi det generelle skattetrykket i Norge er ganske høyt, og at man sånn sett har mange unge med dårlig råd. Er det sånn å forstå at Arbeiderpartiet nå vil ta initiativ til å utvide aldersgrensen til ikke bare å gjelde dem som er under 34 år? Vil man kanskje også se nærmere på år? Vil man kanskje også se nærmere på kravet til 15 pst. egenkapital som Finanstilsynet har kommet med? Med andre ord: Trenger man mer enn 150 000 kr for å kjøpe seg en bolig, f.eks. i Oslo og Akershus, hva slags boliger er det man ser for seg at denne gruppen kan kjøpe i denne regionen? Nå har vi prøvd å utvide BSU-ordningen, i 2009 – det er ikke lenge siden. Det som Arbeiderpartiet synes er viktig i denne saken, er at vi må prøve ut det vi må prøve ut det vi endret da, for å se om det kan virke. Men som jeg sa i tillegg, vil det ikke være nok å utvide verken aldersgrense eller andre ting ved BSU-ordningen for å hjelpe unge førstegangsetablerere på boligmarkedet. Vi ønsker å se på også andre ordninger, bl.a. gjennom Husbanken, bl.a. ordninger for å øke boligbyggingen. boligbyggingen. Det vil regjeringen, og vi, se på i løpet av året i forbindelse med den boligmeldingen som kommer. La meg først si at det er positivt at regjeringen nå åpner for å vurdere en forbedring Det at man skal ta det i en stortingsmelding, synes jeg imidlertid ikke er spesielt positivt, med den erfaring vi har med regjeringens fremleggelse av stortingsmeldinger, som ofte drøyer både ett og to og tre år. Opp gjennom årene har regjeringspartiene brukt en serie argumenter mot en bedre Det siste vi hørte nå, er at en bedre BSU-ordning bare var ett av flere tiltak. Jeg har sendt et spørsmål til finansministeren, hvor jeg har utfordret regjeringen på hvilken forskning, hvilken dokumentasjon, man har på at BSU-ordningen ikke vil føre til at ungdom sparer mer, og erfaring med norsk forskning på dette området. Hvilken dokumentasjon er det Irene Johansen har for sin motstand mot en bedre BSU-ordning? Presidenten ber representantene holde seg innenfor den tilmålte taletiden. Først vil jeg igjen understreke at vi ikke er motstandere av BSU i Arbeiderpartiet. Jeg har ikke noen annen dokumentasjon enn det som også Finansdepartementet har, nemlig at det viser seg at få unge i aldersgruppen 17–33 år benytter seg av BSU-ordningen. Det var altså 26 pst. i 2009. Så økte vi grensene i 2009. Da var det 2 pst. mer året etter som benyttet seg av den. I tillegg har vi at det er de med høye inntekter som benytter seg av ordningen, og i mindre grad de med lave inntekter. Det sier meg at det ikke er nok å se på BSU-ordningen når man skal hjelpe de unge inn på boligmarkedet, vi må også se på andre virkemidler. Men vi har understreket at også BSU-ordningen vil bli vurdert i løpet av året i den stortingsmeldingen som kommer. Vi må se virkemidlene i sammenheng, og det mener vi er riktig. Derfor går vi ikke inn for ensidig å

Mitt spørsmål er da: Er dette egentlig holdningen, at nå har vi den, så da må vi vel leve med den, men egentlig liker vi den ikke? Spørsmål to: Når det nå stilles økt krav til egenkapital, vil jo det selvfølgelig bety særlig mye for dem som er førstegangsetablerere i boligmarkedet. Synes representanten det tilsier at man, isolert sett i hvert fall, bør øke kvoten som man kan benytte på BSU? Igjen vil jeg gjerne understreke at vi er positive til BSU-ordningen. Vi har faktisk utvidet den en gang, nettopp fordi vi ser at den kan være bra å ha for noen. Men som jeg har sagt flere ganger nå, er det ikke så veldig mange som vi har ikke sagt at vi skal fjerne den av den grunn. Det er positivt at 28 pst., i hvert fall var det det i 2010, benytter seg av BSU og faktisk sparer. Vi er positive til å øke sparingen i Norge. Så igjen, jeg vil understreke det: Vi er positive til BSU-ordningen. Men vi ser at det er så pass utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet for unge, for nyetablerere, at vi må se på flere virkemidler. Det er klart at også det økte egenkapitalkravet gjør at det er blitt enda mer utfordrende for førstegangsetablererne. Men likevel mener vi at vi ikke ensidig skal øke BSU-ordningen av den grunn. Vi må se på flere virkemidler i sammenheng, og det er ikke noe forbud mot å spare mer enn den grensen som er satt i BSU. Replikkordskiftet er er omme. Alle tiltak som stimulerer til egeninnsats, og som oppfordrer mennesker til å ta ansvar for eget liv, er grunnleggende positivt for den enkelte og for samfunnet. Boligsparing for ungdom er nettopp et slikt tiltak. Vi som lever med ungdom i huset, vet at planlegging flere år frem i tid sjelden er hovedtema rundt middagsbordet. BSU bidrar til å endre dette BSU bidrar til å gi ungdom et bevisst forhold til arbeid, til lønn, til skatt, til sparing, til renter, til boligkostnader og ikke minst til egen selvangivelse. Samtidig gir BSU ungdom et kundeforhold til banken som kan være nyttig senere i livet. BSU er en forberedelse til voksenverdenen, og et signal om at ansvar vil gjøres gjeldende. I et samfunn hvor konsekvensetikk er mangelvare, mener Fremskrittspartiet det er viktig at vi ivaretar og styrker ordninger som belønner egeninnsats, og at vi ikke lar være å innføre gode ordninger med den begrunnelse at noen velger ikke å benytte seg av dem. Samtlige partier på Stortinget er tilhengere av BSU-ordningen. En slik rørende enighet er en sjeldenhet, og Stortinget bør derfor konstruktivt diskutere hvordan ordningen eventuelt kan gjøres enda mer attraktiv for ungdom. Selvfølgelig vil det alltid være mange som ikke vil benytte seg av ordningen, men vi må ikke komme dit hen at det gode blir det bestes fiende. En forbedring av BSU-ordningen betyr ikke at det ikke finnes andre tiltak som også kan gjøre tilgangen til boligmarkedet for unge enklere. Ikke alle ungdommer har skattbar inntekt, og BSU kan derfor ikke benyttes av alle. Men det gjør ikke ordningen mindre relevant. BSU er mest attraktiv for Det betyr at ordningen generelt sett er mindre attraktiv for dem som velger en lang akademisk utdannelse, da disse kun unntaksvis vil komme i skatteposisjon. BSU er derfor en god stimulans for ungdommer med yrkesutdanning, og dem trenger vi flere av. Fremskrittspartiet har vært en pådriver for å bedre BSU-ordningen. I vårt alternative statsbudsjett for i år foreslo vi å øke øvre grense for det totale sparebeløpet til 300 000 kr, heve årlig sparebeløp til 25 000 kr og heve rentefradraget til Dette forslaget fikk ikke flertall. Det forslaget som fire partier fremmer i dag, er ikke like ambisiøst, men en klar forbedring av dagens betingelser. Vi ber regjeringen øke det årlige sparebeløpet og taket for ordningen, samtidig som vi ber regjeringen vurdere å øke rentefradraget fra 20 til 28 pst. Fradraget vil da tilsvare øvrige rentefradrag. Det er viktig at BSU endres i tråd med endrede rammebetingelser. Kravet til egenkapital for kjøp av bolig er i dag økt fra 10 til noe som bidrar til å gjøre BSU til en relativt mindre interessant ordning. Det er noe vi alle taper på. Flertallet viser i sin merknad til brev fra finansministeren hvor han varsler en stortingsmelding om boligpolitikken i løpet av 2012. Fremskrittspartiet er overrasket over at regjeringspartienes stortingsrepresentanter ikke på selvstendig grunnlag kan ta stilling til konkrete forbedringsforslag av BSU, men i stedet aktivt søker å finne svakheter med forslaget. Prisen på boliger er selvfølgelig et resultat av tilbud og etterspørsel. Fremskrittspartiet viser i sine merknader til et representantforslag som ligger til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen, hvor vi foreslår en rekke tiltak som samlet sett vil gjøre det rimeligere å bygge nye boliger. Til tross for gode intensjoner er det ingen tvil om at regler, begrensninger og betingelser lokalt og sentralt har gjort boligbygging dyrere og mindre fleksibelt, enten det gjelder krav til utforming, høyde, vern, energiforskrifter, sluttkontroll eller garantikrav. At regjeringen opprettholder en straffeskatt for boligkjøp gjennom å tviholde på dokumentavgiften, er også et unødvendig fordyrende element ved kjøp av bolig. Jeg tar herved opp forslaget fremmet av Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Forslaget er ved en inkurie ikke med i innstillingen, men ligger omdelt på representantenes plasser. Representanten Christian Tybring-Gjedde har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Norske husholdningers gjeld er urovekkende høy. Det har også Fremskrittspartiet ved ulike anledninger uttrykt bekymring over. Opposisjonen i Stortinget er – i likhet med regjeringspartiene – opptatt av å øke den private sparingen. Spørsmålet er hvordan vi skal stimulere til det. Mitt spørsmål blir da som følger: Tror representanten Tybring-Gjedde at de 89 pst. som ikke får maksimalt skattefradrag ved dagens BSU-ramme, vil spare mer dersom rammene økes? I tilfelle representanten Tybring-Gjedde mener det, med hvilken begrunnelse? Jeg tror flere vil spare. Jeg tror flere vil spare mer, jo mer gunstig reglene er. Jeg tror flere vil spare mer, jo mer gunstig reglene er. Jeg tror ikke det er slik at folk sparer maks, jeg tror de kan ha muligheten til å spare mer. Jo gunstigere det blir, jo mer vil de spare. Det er jeg helt overbevist om, og jeg tror ikke det er slik at det er bare de som sparer, som vil ha en annen sparemåte hvis ikke det er en bedre ordning. Men jeg tror en bedre ordning faktisk vil øke sparingen, og jeg har ikke sett dokumentasjon på at det ikke er tilfellet. I 2009 gikk sparingen opp ved at man økte fordelen ved å ha BSU – og bedre betingelser. betingelser. Det er slik vi burde gjøre det – ved å stimulere folk til å spare. For det har så mange andre fordeler som ikke annen type sparing har – som jeg nevnte fra talerstolen. At man tar ansvar for eget liv, er det man må gjøre. Da får vi heller lage bedre reklame for BSU-ordningen enn å si at en ikke får det til å fungere. Hvor er regjeringens reklame for at BSU-ordningen finnes, og hvor er de initiativene som får flere ungdommer til å spare? Jeg har ikke sett

omme. Vi står overfor betydelige utfordringer på boligmarkedet. Under den rød-grønne regjeringen har vi i Norge opplevd en lånefest med stadig dårligere kår for privat sparing. Jeg mener det er positivt å stimulere til privat sparing, jeg mener det er positivt at unge mennesker sparer til sin egen bolig, jeg mener det er positivt at vi voksne sparer til vår egen pensjon. Sparing er positivt! Vi opplever en diskusjon om en mulig boligboble som bygger på stadig økende priser og stadig økende gjeld hos de private husholdningene. Vi står overfor faren for økende sosiale skiller på boligmarkedet, fordi det er blitt stadig vanskeligere for ungdom å komme inn og kjøpe sin første bolig. Jeg er enig med representanten Irene Johansen i at svaret på dette er ikke bare å øke og forbedre BSU-ordningen, men jeg er uenig i at man ikke skal starte med å stimulere den private sparingen. Selvsagt er det behov for en serie med tiltak. Vi må bygge mer. Svaret er ikke som venstresiden har ivret etter i mange år, at man skal skatte mer. Nei, vi må bygge mer. Vi må motivere ungdom til å spare mer, og ikke til å låne mer. Så registrerer jeg at de rød-grønne partiene nå – og jeg vil tro at det er etter press fra Senterpartiet – åpner for en liten vurdering av BSU-ordningen en eller annen gang i fremtiden. Men man fortsetter allikevel med å argumentere med de samme argumentene mot BSU-ordningen. Vi hørte det nå referert fra representanten Irene Johansen at det er så få som sparer i BSU-ordningen. Men er det noe argument at det er 25 pst. som sparer i BSU-ordningen? Det ville jo i så fall være et sterkt argument mot skattefradraget for Jeg vil tro at det er ikke mer enn 25 pst. som er medlemmer av LO. Men allikevel ivrer Arbeiderpartiet etter at fagforeningsfradraget bare skal bli gunstigere og gunstigere, fordi man ønsker å motivere flere til å bli fagorganiserte. Ja vel, da burde man jo også gjøre BSU-ordningen gunstigere, slik at man motiverer flere til å spare mer. Det andre argumentet er at de er så rike disse som sparer i BSU-ordningen. Vi snakker om ungdom. Vi snakker om ungdom. Vi snakker om unge mennesker, hvor de som har mest utbytte av denne ordningen, er de som går raskest ut i boligmarkedet. Vi snakker om en ordning som ifølge en undersøkelse viser at ni av ti sparer uten at foreldrene bidrar. Regjeringspartiene har ikke dokumentert sin påstand. Det siste er at det ikke fører til økt sparing. Men heller ikke det er dokumentert av regjeringspartiene – snarere tvert imot. Når jeg sender spørsmål til finansministeren, får jeg faktisk til svar at teoretisk forskning kan tyde på at det ikke fører til økt sparing, men empirisk forskning viser, i henhold til brevet fra finansministeren, at det kan føre til mer sparing. Og så legges det til at vi har ikke dokumentasjon fra Norge. Men det er ikke noen grunn til at det vil ha mindre effekt i Norge enn det det vil ha andre steder. Når vi ser på hva som er skjedd i løpet av det siste året, har regjeringen bidratt til at det er blitt vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Man har økt egenkapitalkravet fra 10 til 15 pst. Det har ettertrykkelig forutsetning, nemlig at man bedrer BSU-ordningen. Uten en bedre BSU-ordning vil det bli vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Vi har også dokumentert fra 1990-årene at man gjennom BSU-ordningen faktisk hadde egenkapital til overs når man skulle Så har vi nå en situasjon hvor en som sparer fullt ut i BSU-ordningen, faktisk vil mangle godt over 100 000 kr for å kjøpe en leilighet på 70 m2. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti tar på seg et stort ansvar når man sier nei til å bedre BSU-ordningen nå. Vi vil oppleve stadig økende sosiale skiller på boligmarkedet hvis vi ikke nå begynner å motivere ungdom til å spare mer. En bedre BSU-ordning vil være en god start. Det blir replikkordskifte. Forslagsstillerne skriver i sin felles merknad at de er over at regjeringen ikke tar «tendensene til sterkt økende sosiale skiller i boligmarkedet på alvor». Mener representanten Jan Tore Sanner at de sosiale skillene i boligmarkedet vil bli redusert ved at man gir økte skattesubsidier til den enn det dagens BSU-ramme gir fradrag for? Svaret på spørsmålet er ja. Å motivere ungdom til å spare mer vil bidra til at vi reduserer de sosiale skillene på boligmarkedet. Det som øker skillene, er at man nå har økt egenkapitalkravet, at det ikke bygges nok, og at det er blitt vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Man ser det samme i innvandrergruppen, at det er blitt vanskeligere for mange innvandrere å komme inn på boligmarkedet. Så det å motivere flere til å spare mener vi vil være med på å bygge ned de sosiale skillene. Men så ligger det igjen denne forutsetningen fra Arbeiderpartiets side om bare 25 pst. Jeg vil heller snu på det og si at det Jeg vil heller snu på det og si at det er jo fantastisk at 25 pst. av de unge sparer i en konkret ordning for å bygge opp kapital til å kjøpe sin første bolig. Det er jo enestående flott! Og så bør vi motivere enda flere til å gjøre det ved å gjøre ordningen enda bedre. Replikkordskiftet er omme.

Det er interessant å se at alle opposisjonspartiene sier dette, også i første setning i sin merknad, at regjeringspartiene har en mer positiv holdning til BSU enn tidligere. Det kan jeg bekrefte; det er korrekt. Gjeldsveksten for privatpersoner er foruroligende, og for mange er egenkapitalen for liten ved boligkjøp. Derfor har Finanstilsynet – som flere har vært inne på – økt egenkapitalkravet 15 pst. ved kjøp av bolig. Det er riktig at myndighetene sikrer at det er en større nøkternhet ved låneopptak. En bedring av BSU-ordninga er derfor etter Senterpartiets vurdering en naturlig oppfølging. Det å lære å spare, det å spille sammen med bankvesenet, slik at en får den alternative bruken av penger fram for ungdom, er viktig. Og som flere har vært inne på: Dette er en attraktiv mulighet ikke minst for ungdom som tidlig går ut i arbeidslivet gjennom praktiske yrker. Det er også viktig, som regjeringspartiene sier, at en ser på flere virkemidler. Jeg må, som tidligere statssekretær i Kommunaldepartementet, si at det er trist å oppleve at Husbanken nå har fått en mye mindre rolle i den sosiale boligbygginga. Noe av årsaken til det er EØS-avtalen – jeg skal ikke dra det for langt, men det er dog viktig å få det fram – som setter begrensninger for i hvilken grad det offentlige gjennom sin bank, Husbanken, kan medvirke til rimelig finansiering, rimelig etablering for ungdom gjennom husbankfinansiering. Vi må ha to tanker i hodet samtidig, det er helt klart. En annen ting som jeg vil peke på her, er den norske boligpolitiske tradisjonen, nemlig å legge til rette for, gjennom skattesubsidiering, at folk flest kan kjøpe egen bolig av nøktern standard som de sjøl bor i. Det er vel ingen regler for privatpersoner som innebærer subsidiering skattemessig enn regler innenfor boligsektoren. Bakgrunnen for det er nettopp at en skulle kunne bo i egen bolig, og at den skal være av nøktern standard. Det er det viktig å fortsette med. Det å eie sitt eget hus, med all den aktivitet som ligger rundt det, og den pietisme og den kreativitet som følger av det, er det viktig å ta vare på. Det som imidlertid er noe som regjeringa er nødt til å se nærmere på, er den stadig mer utstrakte investeringa i bolig, det at man gjennom denne skattesubsidieringa av bolig skal tjene på de gunstige skattereglene og investere i bolig. Det er liten grunn til å skattesubsidiere investering i bolig som andre leier. Derfor er det viktig å lage et skattemessig klarere skille mellom det å bo i egen nøktern bolig kontra det å investere i Dersom en øker beskatninga av å investere i bolig, kan de økte skatteinntektene brukes til bl.a. å forbedre BSU-ordninga. Som det er kjent her i salen: Senterpartiet har lenge vært en tilhenger av å bedre den ordninga, gjennom både et økt årlig beløp, en økt sum og en bedring av det prosentvise skattefradraget. Det er utrolig viktig at ungdom, ikke minst ungdom med praktiske fag som nå i mange tilfeller får seg godt betalt arbeid, stimuleres til å spare en del av inntekta si, kommer inn i den kulturen og dermed ikke blir slike bidragsytere til finansinstitusjonenes overskudd som vi syns altfor mange blir i dag – for å si det på en litt annen måte. Det åpnes for replikkordskifte.

boligsparing for ungdom, mens man i hvert eneste budsjett under den regjeringen som sitter nå, ikke har maktet en eneste ting utover at man gjør det verre for unge førstegangsetablerere å kjøpe seg bolig. Hvordan henger det sammen? Senterpartiets holdning til boligspørsmålet og ungdom er klinkende klar. Vi ønsker å bedre BSU-ordninga, samtidig som vi ønsker å bedre Husbankens ordninger, slik at de som har større problemer med å erverve seg sin egen bolig, kan gjøre det gjennom gunstig husbankfinansiering. Det er vår linje, og så vet vi at ved ethvert budsjett er det en samlet avveining av hva som blir de prioriterte forslagene. Hittil har ikke Senterpartiet nådd fram i den grad vi kunne ønske. Men det som opposisjonen også sier om det som nå er innstillinga, er jo at behovet for å forbedre BSU-ordninga og forbedre Husbankens regelverk på dette området blir viktigere og viktigere etter hvert som vi ser den boligsituasjonen som utvikler seg. Så her håper vi at den samlede aktiviteten skal føre til at vi får forbedringer, for det er helt naturlig, ikke minst som følge av Finanstilsynets økte krav til egenkapital ved

Er det sånn å forstå at Lundteigen også ønsker å se på aldersgrensen? Det var det ene spørsmålet mitt. Det andre gjelder det som Lundteigen ikke har sagt så mye om, 15 pst.-kravet til Finanstilsynet, noe som får den virkningen at Finanstilsynet faktisk driver med boligpolitikk i Norge. Lundteigen tar også til orde for at det skal være mulig å få seg en nøktern bolig. Men når man ser på Oslo-området og hvor mange boliger er det man egentlig kan få med 200 000–300 000 kr i egenkapital, som konsekvensen er i dag? Det var mange ting på en gang. Jeg sa at vi skal skille mellom skattlegging når det gjelder å bo i egen bolig, kontra det å investere i bolig. Det er ingen grunn til å skattesubsidiere så mye når det gjelder investering i bolig som andre leier, som det som gjøres i dag. i dag. Videre er det ingen grunn til å endre aldersgrensene, 17–33 år. Dette er rettet inn mot ungdom, og en på 33 år må være en rimelig voksen ungdom. Til det at Finanstilsynet driver boligpolitikk: Ja, sjølsagt gjør de det, indirekte. Det er fornuftig at vi har et finanstilsyn som Det er fornuftig at vi har et finanstilsyn som er nøkternt. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet ikke vil ha en sånn nøkternhet, så der er vi uenige. Og til slutt, når det gjelder prisnivået på boliger i Oslo-området: Ja, det er høyt. Det er altfor høyt, som resultat av en sentralisering som skyter fart, noe som er en av de største utfordringene til denne regjeringa. Jeg vil tilbake til dette egenkapitalkravet, som Høyre – under tvil – har støttet regjeringen

Senterungdommen, Lundteigens ungdomsorganisasjon, krevde i budsjettet for 2011 og i budsjettet for 2012 – ganske identisk med Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – å øke årlig sparebeløp til 30 000 kr, å øke det totale sparebeløpet og øke fradragsprosenten, og at aldersgrensen skal endres. Ikke en eneste ting av dette ser det ut til at Senterpartiet er i stand til å få til. Mener Lundteigen at problemet ikke lenger er Senterpartiet, men at det Lundteigen at problemet ikke lenger er Senterpartiet, men at det er finansministeren, Sigbjørn Johnsen, som her er problemet? Det er helt riktig at Senterpartiet i mange av sine skatteforslag har fokus på ungdommens situasjon. Det er helt korrekt at vi har et økende trykk i vår organisasjon – ikke minst i ungdomsorganisasjonen – for å øke det årlige sparebeløpet

og derfor er dette en sum-avveining som vi står overfor. Hittil har det ikke skjedd endringer, men når du ser hva som er utviklinga i boligmarkedet – ungdoms manglende sparing og situasjonen med realrenta – så arbeider tida for en kraftig bedring av BSU-ordninga. Replikkordskiftet er omme. Jeg lyttet med interesse på det jeg nesten må kalle en slags kjærlighetserklæring fra Høyre til Senterungdommen, og det er

en samlet regjeringskonstellasjon som avviser den, og det er jo ikke så uvanlig når det gjelder representantforslag i denne salen. Men her burde vi kanskje kunne forventet litt mer imøtekommenhet fra regjeringspartiene, all den tid at mens vi har diskutert denne saken, har Finanstilsynet i Norge gjort en endring i egenkapitalkravet, som uten tvil vil bety skjerpede krav, særlig for dem som skal etablere seg for første gang på boligmarkedet. Det i seg selv burde være nok til noe mer positive signaler fra regjeringspartiene. Jeg kan ikke annet enn å si – både med tanke på saksordførers innlegg og replikkordskiftene og for så vidt også merknadene – at man får et inntrykk av at det er med påholden penn man uttrykker at BSU-ordningen har noe for seg i det hele tatt. Fra Kristelig Folkepartis side tror vi dette er viktig. Det å lære ungdom sparing er i seg selv viktig, vi har en gjeldsgrad for private husholdninger i Norge som er blant de høyeste i Europa. Vi ser faktisk også tendenser til klasseskille i boligforsyningen i Norge, som bl.a. skyldes at de som har foreldre med bolig som man kan pantsette for nye lån, får en klar fordel i forhold til dem som ikke har det. Dette utvikler seg mer og mer. Så må en ikke se dette isolert – der er jeg helt enig i saksordførerens innlegg – men det er jo påfallende hvor passiv denne regjeringen har vært i boligpolitikken. Tradisjonelt har i hvert fall jeg innbilt meg at både Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet har sett boligpolitikken som et av sine viktigste områder, og her har det i realiteten ikke skjedd noe de siste seks årene. For å ta et eksempel: Vi fremmet fra Kristelig Folkepartis side et forslag før sommeren om en ordning om «å leie før eie». Det var pene ord i merknadene fra regjeringspartiene også der. Dette kunne være et konkret bidrag, bl.a. slik at førstegangsetablerere som ikke har egenkapital, kan komme inn på markedet. ord, og man ville følge opp, men foreløpig har vi ikke sett noen ting, og nå svarer man at man skyver alt foran seg til en kommende boligmelding. Så jeg vil anbefale forslaget, og ønsker også representanten Lundteigen lykke til når han om en uke eller to skal kjempe for en bedre BSU-ordning på et visst sted. Det blir replikkordskifte.

altså bare 11 pst. totalt i den aktuelle aldersgruppen som fikk maksimalt skattefradrag i 2009. Så opplyses det at det først og fremst er ungdom med høy inntekt som benytter seg av ordningen, i større grad enn personer med lav inntekt. Mener representanten da det er riktig – sett i et fordelingsperspektiv – å bruke av fellesskapets midler til å gi ytterligere skattesubsidier til den tidelen som i dag får maksimalt skattefradrag? Eller ser representanten at man kanskje også bør bruke noen av disse midlene til andre virkemidler for å nå et bredere lag? Problemet er jo at vi ser ingen andre virkemidler fra regjeringens side. Når opposisjonen foreslår andre virkemidler – jeg nevnte et forslag om «leie før eie», som med hell kan benyttes i kommunene, og som enkelte kommuner har foran med å gjøre – så svarer posisjonen også nei til det. Så mitt svar må være: Det er jo bedre at man får noen ordninger, i hvert fall, som treffer ganske mange blant ungdomsgruppene, og som nå kan gi dem en mulighet til å få en sparerate som gjør at de kan oppnå det forsterkede egenkapitalkravet som Finanstilsynet har sørget for at vi nå har.

Venstre er selvsagt helt enig i det. Venstre fører en ansvarlig økonomisk politikk, og vi er for Husbanken. I tillegg synes vi det er viktig at unge mennesker tar ansvar for sitt eget liv og sin egen fremtid. Det er bra at de rød-grønne er mer positive til BSU-ordningen enn tidligere, men de er bekymret for at det ikke treffer, slik jeg oppfatter det. Jeg sitter ikke på noen statstikk om hvem som benytter seg av BSU, men det jeg har sett, og det jeg hører i det praktiske liv, peker faktisk i motsatt retning av det regjeringspartiene skriver. Jeg er kjent med at de som benytter seg av BSU, er unge mennesker som ikke har en solid økonomi, verken familiært eller personlig, men som ønsker å sikre sin egen fremtid, kanskje nettopp fordi de ikke har det sikkerhetsnettet rundt seg. Venstre har kontaktet Utredningsseksjonen, som igjen har vært i kontakt med Statistisk sentralbyrå om statistikk over personer som benytter BSU-ordningen. SSB sier at de ikke samler inn statistikk over bakgrunnen til dem som benytter ordningen. SSB har ikke statistikk som kobler sammen lånetakere i BSU-ordningen med alder, sosioøkonomisk gruppe eller familieforhold. De sier at av hensyn til rapporteringsbyrden har de ikke funnet det forsvarlig å innhente så store og detaljerte data, som i praksis bl.a. vil innebære innhenting av data både på individnivå og med variabler koblet til bruk av BSU-ordningen. Vi vet faktisk ikke så mye om akkurat dette. I brev fra Finansnæringens Hovedorganisasjon til Stortingets finanskomité om vises en oversikt over antall personer som sparer i BSU, fordelt på brutto inntekt. Dette viser at 70 pst. av dem som sparte i BSU, hadde en Det er underlig, som flere har vært inne på, at man øker kravet til egenkapital ved boligkjøp til 15 pst. – noe Venstre er enig i – men samtidig ikke ønsker større incitamenter for at unge mennesker skal spare mer. Det blir replikkordskifte.

kroner. Når vi så skal bruke flere hundre millioner kroner årlig for å få unge inn på boligmarkedet, er da representanten Tenden sikker på at å utvide BSU-ordningen er det mest treffsikre virkemiddel? Jeg er selvsagt enig i at man må bruke flere virkemidler, det sa jeg også i mitt innlegg her i sted. Og så viser det seg at hvis man øker det, som saksordføreren var inne på, er det flere som søker. Det i seg selv synes jeg er veldig positivt. Men jeg har én bekymring, som jeg synes vi har vært altfor lite inne på her i dag, og det er nettopp dem som skyves ut på leiemarkedet. Er det noe som virkelig skaper sosial ulikhet, er det det at noen ikke kommer inn i boligmarkedet. Jeg er faktisk mye mer bekymret for dem som må leie og ikke har muligheten for å spare opp penger, slik at de på sikt kan eie. Replikkordskiftet er omme. Dette er en viktig debatt, ikke først og fremst fordi den handler om boligsparing med skattefradrag, men fordi det er en debatt som handler om boligpolitikk, og som er

Generelt er det viktig at en legger til rette for at ungdom kommer inn i boligmarkedet på en god måte. Der er det flere tiltak som kan være aktuelle – BSU kan være ett tiltak. Men det som er hovedutfordringen i boligmarkedet i dag, er at det bygges for få boliger, at det bygges for få boliger som er rettet inn mot ungdomsgruppen. Her kan vi alle gjøre mer for å få til det. Det er også bakgrunnen for at regjeringen i løpet av året vil fremme en melding om boligpolitikken, slik at Stortinget kan få anledning til en bred og omfattende og helhetlig debatt om boligpolitikk, herunder også selvsagt boligpolitikk rettet inn mot ungdomsgruppen som sådan. Så er det viktig at en prøver å bidra til en kultur for sparing. sparing. Det er vel slik at å spare ikke nødvendigvis er avhengig av at man får et skattefradrag, for det er også noe en kan lære gjennom livet. Jeg fikk min første sparebøsse som ettåring – jeg husker ikke det, men jeg har sett bilder av det – jeg fikk min første bankbok som ettåring,

som også har bidratt til at sparing i bank – eller finanssparing – har blitt mer fordelaktig. Mens inflasjon og prisstigning tidligere var et hinder for sparing, er inflasjon nå det stikk motsatte. Skattereformen av 1992, der en satte ned skattesatsene, var en var en betydelig stimulans til sparing fordi skatten på sparing ble mindre. Det som er utfordringen i dag, er at rentenivået generelt sett er lavt som følge av den internasjonale økonomiske situasjonen, og jeg ser også at det er utfordringer knyttet opp mot at den effektive formuesskatten på finansiell sparing er relativt sett høy. Denne regjeringen er ikke imot boligsparing for ungdom. Så sent som i 2009 forbedret vi ordningen betydelig. Det er slik, som flere andre talere har vært inne på, at i dag er verdien av skattefradraget på om lag 770 mill. kr. Det er et betydelig beløp som på den måten gis til dem som bruker denne ordningen. Så er det slik, som flere andre har vært inne på, at om en skal utvide BSU-ordningen, betyr det at en må se det i en større helhet. Det betyr at skattelette til noen innenfor regjeringens skatteløfte må bety at noen andre må betale mer skatt på ulike områder. Det er liksom ikke slik at det er et valg på øverste hylle. Så kan en også diskutere: Hvis en hadde dette beløpet til rådighet, enten for å utvide sparegrensen, utvide prosenten eller de årlige sparebeløpene, må en hele tiden kunne stille spørsmålet om det kunne brukes på mer målrettede ordninger rettet inn mot unge mennesker som prøver å få seg en bolig, men vi sier at vi vil vurdere BSU-ordningen i forbindelse med den boligmeldingen som vi skal legge fram senere i år. Det som er viktig her, er at en da får anledning til å vurdere dette opp mot andre virkemidler i en helhetlig og framtidsrettet boligpolitikk. Det blir replikkordskifte.

og for en redning det er. Løsningen heter Startlån. Gjennom midler fra Husbanken tilbyr nesten samtlige norske kommuner startlån. I tillegg til superlav rente tar du innersvingen på Finanstilsynets nye egenkapitalkrav.» Startlån gis ifølge hjemmesidene til Husbanken fortrinnsvis til enslige forsørgere, flyktninger, unge i etableringsfasen og folk som skal reetableres etter samlivsbrudd, og utlånene har økt dramatisk med 30 pst. – 5,6 mrd. kr. Sjansen for mislighold er derfor mye større med disse lånene. Husbanken finansieres av stat og kommune, med andre ord av skattebetalerne. Finansministeren er veldig glad i Husbanken. Er Husbankens økte gambling med skattebetalernes penger en praksis som finansministeren støtter? Ja, det er helt riktig at finansministeren er tilhenger av Husbanken – det har jeg vært hele Husbanken ble i sin tid opprettet for et helt bestemt formål, i 1946, for å sikre at folk som hadde mindre ressurser, kunne få muligheten til å etablere seg i en god, rimelig og fornuftig bolig. Husbanken har vært, og er fortsatt, et viktig instrument i det å kunne gjøre det mulig for folk, herunder ungdom, å skaffe seg en rimelig bolig. Startlånsordningen er en slik ordning. Jeg mener det er en god ordning som er målrettet mot de grupper som har spesielle behov på boligmarkedet, herunder ungdom. Så, ja, Husbanken er viktig, og det er viktig at Husbanken nå i framtiden har en helt sentral rolle i det vi kan kalle den sosiale boligpolitikken.

at vi må ha noen virkemidler for å motivere ungdom til å spare – gjøre det mer lønnsomt å spare. Jeg er ikke i tvil om at resultatet kommer til å bli en bedre BSU-ordning. Jeg hører på Arbeiderpartiets talere at man er på vikende front, og at argumentet og motviljen er i ferd med å bli parkert. Mitt spørsmål er imidlertid: Når man har økt egenkapitalkravet, ser ikke finansministeren at det er et selvstendig argument for å bedre BSU-ordningen? Et viktig formål med økte egenkapitalkrav og en mer – kall det gjerne ansvarlig utlånspolitikk er først og fremst å forsøke å dempe den sterke ser. Det er en sammenheng mellom den sterke utlånsveksten, særlig den som retter seg inn mot bolig, og prisen på bolig. Et av de viktigste tiltakene vi kan prøve å få til, er å dempe prispresset i boligmarkedet. Det kan skje gjennom det egenkapitalkravet som nå Finanstilsynet har lagt som en retningslinje, og det kan skje ikke minst gjennom at vi bygger Min påstand er at det er mangelen på boliger som er den største flaskehalsen når det gjelder prisen på boliger, og den største flaskehalsen for unge mennesker som skal inn i boligmarkedet. Så her bør vi sette kraft og ressurser inn. Først må jeg si at det var interessant å høre om ettåringens finansielle spareprodukter. Det er

og Finanstilsynets krav om økt egenkapital. Jeg regner med at statsråden er enig i at det er særlig førstegangsetablerere som vil få en særskilt utfordring med de nye kravene. Da er mitt spørsmål: Vil det ikke, i hvert fall for dem, være positivt om regjeringen skulle lande på å – selvfølgelig i tillegg til andre mulige tiltak, som også statsråden var inne på? Jeg har vært, og er for så vidt fortsatt, på en europeisk turné for å prøve å argumentere sterkt for den norske innskuddsgarantiordningen. Et av argumentene som jeg faktisk ser gjør et inntrykk når jeg forteller, er at i Norge får unger bankbok i dåpsgave, og på den måten er de inne i sparekulturen. Det er viktig å holde fast ved det, og jeg regner med at her er vi to ganske enige. Når det gjelder forholdet mellom egenkapitalkravet og BSU, ser jeg at BSU-ordningen kan spille en rolle i den sammenhengen. Men det er også, som representanten Syversen sier, andre tiltak som er mulig. Startlånet er et slikt tiltak. En tredje mulighet er at en Men det er også, som representanten Syversen sier, andre tiltak som er mulig. Startlånet er et slikt tiltak. En tredje mulighet er at en er mer frampå i kommuner f.eks. når det gjelder å bygge spesielle utleieboliger, og bidrar til at en også legger til rette for spesielle boliger for ungdom med liten eller ingen egenkapital. Der var rammen brutt, finansminister! Den var det! Samtlige som har hatt ordet i saken, har uttalt seg positivt til

alle fall vært en ubetinget begeistring for. Når en ser på prisstigningen på boliger, er det vel enighet om at det er offentlige pålegg som har vært den viktigste årsaken her. Da blir mitt spørsmål: Vil regjeringen komme med tiltak, utover det å se på BSU, som gjenspeiler den særdeles ugunstige prisutviklingen som har vært på boliger de siste seks og et halvt

det. Det kan også godt hende at spesielle krav som stilles til boligens utforming, også spiller inn i forhold til prisen, særlig på nyoppførte boliger. Noe av det som er poenget med boligmeldingen, som kommer senere i år, og meldingen om byggepolitikken, som mer omhandler de tekniske tingene, er at en kan få se disse tingene i en større helhet. Jeg ser fram til den debatten, fordi det er en viktig sak både for regjeringen og for Stortinget etter hvert som den kommer til behandling. – Og nå holdt jeg meg akkurat innenfor rammen! Presidenten vil til og med tilgodese finansministeren med et par sekunder, så han har tatt inn det han brøt rammen med i forrige replikk! Ofte er det er slik at men akkurat for BSU er den på 20 pst. Mitt spørsmål er: Hva er årsaken til eller logikken i det? Her må jeg innrømme at jeg var ikke med på fødselen til Boligsparing for ungdom, så jeg er kanskje ikke i stand til å gi et godt svar på det spørsmålet. Det er nesten så jeg må be om hjelp fra dem som var med på fødselen, men jeg må be om hjelp fra dem som var med på fødselen, men jeg tror nok det var hensiktsmessig at en satte den på 20 pst., og at det er en helhet sett i forhold til årlig sparebeløp og sparerammen, altså totalbeløpet, som gjør at en har kommet fram til en mikstur som da inneholder 20 pst. Men som sagt, her måtte jeg nesten ha søkt hjelp hos dem som var med ved selve fødselen, for å være helt trygg på svaret. Da konstaterer presidenten at replikkordskiftet er omme, og at det er avklart at sparingen har vært med finansministeren fra fødselen av, mens finansministeren ikke har vært med boligsparingen fra fødselen av. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

det er positivt at regjeringen utvidet ordningen i 2009 og vil vurdere en utvidelse i boligmeldingen. Men forslagsstillerne må se andre steder om de vil gjøre noe som virkelig betyr noe på lang sikt. Stadig høyere priser er et resultat av at etterspørselen over lengre tid har vært større enn tilbudet. Etterspørselen etter boliger skyldes at folketallet øker, og det skjer i hele landet, men særlig i byene. byene. At det bygges for lite, skyldes mange ting: mangel på byggeklare ferdigregulerte tomter i kommunene, tilgang på kompetanse og kapasitet i byggenæringen, lange planleggingsprosesser og økonomien i enkeltprosjekter. Heldigvis øker byggeaktiviteten nå. 2011 var et godt år for boligbygging. Det ble igangsatt bygging av 27 pst. flere boliger enn i 2010. Det som har aller størst betydning for ungdoms mulighet for å etablere seg, er en økonomisk politikk som sikrer at folk har jobb og unngår unødig høye renter. I tillegg er låne- og tilskuddsordning gjennom Husbanken og kommunene viktig. Slike tiltak treffer unge som strever med å etablere seg, bedre enn BSU. Representanten Syversen nevnte «leie før eie»-ordninger. Det er et godt eksempel på slike tiltak. Kristelig Folkeparti fortjener ros for sitt forslag om dette, et forslag regjeringspartiene var positive til, og Husbanken har nå slike ordninger. Men om vi ikke lykkes med å få økt takten i boligbyggingen, kan vi gi opp alle andre mål i boligpolitikken. Det er helt avgjørende at kommunene tar sin del av ansvaret. Kommunal innsats for økt boligbygging handler om å sette av tilstrekkelig areal, om å planlegge infrastruktur og bolig i sammenheng – med raske og ubyråkratiske regulerings- og planprosesser og en god dialog med utbyggere. De partiene som står bak forslaget vi nå vi debatterer, styrer i mange av de kommunene der det er vanskeligst for ungdom å etablere seg. Mange steder bidrar dessverre lokalpolitikerne til å bremse, ikke til å legge til rette for boligbygging. boligbygging. Jeg vil utfordre dem som i dag har snakket om unges utfordringer i boligmarkedet, til å holde de samme innleggene for sine partifeller i presskommunene – det er dessverre helt nødvendig. Stadig høyere boligpriser er ikke et problem som løses med stadig flere eller stadig høyere skattefradrag. Det må bygges mer. Jeg kunne ikke dy meg da jeg hørte på representanten

Ikke minst i Oslo kommune er Arbeiderpartiet ekspert på å stille spesielle krav når det gjelder støy, når det gjelder å ikke bygge så høyt, og når det gjelder å komme med andre restriksjoner og begrensninger. Men det er interessant at representanten Haugli tar opp dette nå, for da får jeg igjen anledning til å nevne Fremskrittspartiets forslag som vi fremmer i kommunal- og forvaltningskomiteen. Det er åtte forslag, og representanten Haugli kan se på de åtte forslagene. Så blir det bedre, og da Så blir det bedre, og da blir det lettere å bygge boliger. Så er det en side som representanten Haugli heller ikke nevner. Han snakker om at det ikke bygges nok boliger. Det er helt korrekt. Men det er jo også en etterspørselsside som også Arbeiderpartiet har ansvaret for. Etterspørselen er enorm, ikke minst i pressområdene. Hvis man tror at alle som kommer til Oslo by, kommer til å bosette seg i Oslo by, tar man feil. Da må man faktisk ut, utenfor Oslo by, hvor det er mye rimeligere å bo. Man kan ikke forvente å komme hit uten jobb, uten særlig utdannelse og bo midt i Oslo sentrum. Det er ikke mulig, og det kan representanten Haugli ta med seg tilbake. Jeg tror jeg nøyer meg med å minne representanten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

Jeg regner med at forslagsstillerne selv redegjør for sitt syn. Jeg kommer til å redegjøre for flertallets syn på saken. I sitt svar i forbindelse med forslaget redegjør Finansdepartementet for dagens regelverk på området. Vi i Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mener at det innenfor dagens regelverk er mulig for ektefeller som bor på to ulike steder, å ha skattemessig bopel på hvert sitt sted. Hvorvidt det er grunnlag for å anse ektefeller som skattemessig bosatt i felles hjem eller hver for seg, beror på en helhetsvurdering som foretas av ligningsmyndighetene. For å unngå usikkerhet om reelle boforhold og uheldige tilpasninger mener vi at avgjørelsen om hvor en person med flere boliger skal anses som skattemessig bosatt, bør bygge på objektivt prøvbare kriterier. Komiteens flertall – Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet – mener derfor ut fra det at det ikke er behov for å endre regelverket og støtter således ikke representantforslaget. Komiteens flertall anbefaler å ikke vedta

spørsmål, spørsmål som ikke nødvendigvis har et proveny, men som dreier seg om hvor langt staten skal kunne gå i å bestemme over folks liv. Saken vi nå debatterer, er en slik sak. Det er derfor skuffende å se hvordan de øvrige partiene stiller seg i denne saken. Istedenfor å ta parti med enkeltmennesket velger samtlige å ta parti med statsmakten. Flertallet sier klart og tydelig i sin korte merknad at de ikke ønsker å ta stilling til enkeltmenneskets behov, men at slike behov er en det til tross for at arbeidet med saken har dokumentert at ligningsmyndighetene gjentatte ganger har foretatt klare vurderingsfeil der enkeltmennesker har blitt unødvendig skadelidende. I sitt svarbrev til komiteen skriver statsråden at regelverket åpner for å behandle ektefeller som bosatt hver for seg, og av den grunn er det ikke behov for nærmere presisering av det aktuelle lovverket. Slik skriver en ekte byråkrat og ikke en politiker som burde ta mål av seg til å gjøre hverdagen enklere for folk. Ja visst er problemstillingen marginal, men nettopp derfor er den veldig viktig. Fremskrittspartiet har fått henvendelser fra flere personer som føler seg overkjørt av skattemyndighetene med hensyn til bosted. Dette er mennesker som har presentert sine grunner for hvorfor de som ektefeller har valgt separate bosteder, og at de da ønsker å skatte til de kommunene de reelt sett er bosatt i. Svaret disse har mottatt, er at for å få mulighet til det er skilsmisse eneste alternativ. Så tenker sikkert mange: Hvorfor kan ikke folk som er gift, bo sammen? Men det at en ikke selv har vært i en slik situasjon, betyr ikke at behovet ikke finnes. At en skattebyråkrat hos ligningsmyndighetene skulle ha noen særskilt ekspertise på ekteskapelige forhold, har jeg vanskelig for å forstå. Og de historiene som Fremskrittspartiet har fått presentert, viser at skjønnet som utøves, er lite imøtekommende. Dette har vi mulighet til å rydde opp i her i dag, og jeg oppfordrer derfor de øvrige partiene til å tenke igjennom sin stillingtagen på nytt og stemme i tråd med folks behov og ikke i tråd med ligningsmyndighetenes firkantede regelverk. Det finnes ektefeller hvor den ene ønsker å bo permanent hos sine gamle foreldre – dette for å avlaste og hjelpe dem på deres eldre dager. Slike søknader er blitt avslått. Det finnes ektefeller hvor den ene inntil videre velger å bo i et arvet hus med boplikt. Slike Det finnes ektefeller hvor den ene velger å bo i nærheten av der hvor egne barn og barnebarn bor. Slike søknader er blitt avslått. Så har sikkert noen søknader også blitt innvilget, og det er bra, men hvorfor tillater vi i denne sal at en byråkrat i skatteetaten skal kunne overprøve ektefellers ønske om å bo separat? Mener virkelig de øvrige partiene at det er en oppgave for skattemyndighetene? Ønsket om å bo separat er skattemotivert, vil kanskje enkelte mene, ja vel, skattemotivert i den forstand at skattyter ønsker at kommuneandelen av skatten vedkommende betaler, skal tilfalle den kommunen vedkommende bor i – ikke et urimelig ønske. En slik ordning vil bety at skattyter kan benytte seg av kommunale tjenestetilbud hvor man faktisk bor – heller ikke et urimelig ønske. Jeg oppfordrer igjen de øvrige partiene til å gi innbyggerne som vi er satt til å tjene, frihet til å bestemme skattemessig bopel ut fra de faktiske forhold. Jeg tar med dette opp forslaget

Det er allerede i dag en åpning for at det kan gis unntak, men vi registrerer også gjennom de henvendelsene som er kommet til komiteen, og som har vært fremme i det offentlige rom, at det kan se ut til at praktiseringen kan gi seg urimelige utslag. Det er grunnen til at Høyre, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, ikke vil avvise Fremskrittspartiets forslag, men at vi ber om at det vedlegges protokollen. Vi ber også om at finansministeren foretar en gjennomgang av praktiseringen, slik at man kan unngå den typen urimelige utslag som vi har blitt forelagt. Det er vi nødt til å få, for det er ikke mulig for finanskomiteen eller Stortinget å sitte og saksbehandle enkeltspørsmål, men vi ønsker å forsikre oss om muligheten for unntak som ligger i dagens regler, skal praktiseres på en fornuftig og rimelig måte. Jeg tar opp forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Representanten Jan Tore Sanner har tatt opp det forslaget han refererte til.

Fremskrittspartiet. Etter Senterpartiets vurdering er vel poenget med å være ektefeller at en gjerne bor på samme sted. Forslaget går ut på at de ektefeller som bor på hvert sitt sted, skal få godkjent skattemessig bopel i to ulike kommuner. Som det framgår av innstillinga, har vi sikkerhetsventiler i helt spesielle tilfeller ut fra objektivt prøvbare kriterier. Etter Senterpartiets vurdering er vel formålet her enten å redusere skattebelastning, legge til rette for å øke ytelser fra det offentlige eller vri seg rundt krav om personlig boplikt til hus og gard. Det er naturlig, sjølsagt, å fremme slike forslag, for det blir jo svært vanskelig å kunne praktisere dem, og det blir vanskelig å gjennomføre det som er samfunnsmessige rammer for organisering i samfunnet. Derfor kan vi ikke se at det er samfunnsmessige argumenter for regelendringer. Det skaper mer byråkrati og mindre likebehandling. Reglene om skattemessig bosted angir til hvilken kommune personlig skattytere skal betale skatten sin. Det er

på. Så lenge det skal betales skatt til kommuner og fylker, er det også nødvendig å ha regler som avgjør hvilken kommune eller hvilket fylke skatteinntektene skal tildeles. Jeg tror det er det grunnleggende i denne saken. En anses som bosatt i den kommunen der vedkommende har hjemmet sitt. Opphold utenfor dette hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid, medfører normalt ikke at bostedet endres. Men en skattyter kan likevel anses å ha et skattemessig bosted på det nye oppholdsstedet dersom forholdene tilsier at en har fått sitt hjem der. Personer som bor sammen med ektefelle eller barn, anses å ha sitt hjem der ektefelle eller barn er bosatt. bosatt. Reglene om skattemessig bosted for ektefeller er således basert på det utgangspunktet at ektefeller bor sammen på samme bopel. Jeg mener dette er en naturlig regel, og det er nok mange som er enig med meg i det. Det slår også til for de fleste ektepar, da dette er i samsvar med deres ønske om å ha et felles hjem. Men så er det, som andre har vært inne på i debatten, mulig for ektefeller å ha ulik skattemessig bopel. Det kan være flere grunner til det, f.eks. – som noen har vært inne på – at en har en boplikt som må oppfylles eller andre forhold som er viktige i den sammenhengen. I reglene om skattemessig bosted er det ingen dispensasjonsmuligheter, og avgjørelsen baseres på en vurdering av de faktiske forhold etter kriterier som er objektive og etterprøvbare, som det heter. For de aller fleste skaper ikke disse reglene noen problemer, for det er samsvar mellom den løsningen reglene er basert på, og som de fleste oppfatter som naturlig for sin egen del. De fleste vil nok oppfatte dagens regler om skattemessig bosted som rimelige. Som representantene bak forslaget selv påpeker, er det normalt ikke noen skattemessige fordeler for ektefeller ikke å ha skattemessig felles bosted, men det er enkelte andre regelverk som tillegger f.eks. valg av bosted rettsvirkninger. Misnøye med regler om skattemessig bosted kan også ha sin bakgrunn i utslag som at valg av bosted gir rettigheter etter slike regler. Det kan ha betydning for pendlerfradrag, rett til sykehjemsplass, eller, som jeg allerede har nevnt, oppfyllelse av boplikt på eiendom. Jeg har merket meg at det i komiteen er en betydelig tilslutning til de prinsippene som jeg nå har vært inne på, og det går på at reglene om skattemessig bosted bør være basert på objektivt prøvbare kriterier. kriterier. Jeg ser derfor, i likhet med flertallet i komiteen, at det ikke er behov for å endre regelverket slik at skattemessig bosted for ektefeller skal kunne velges etter andre kriterier enn dem som nå gjelder. Men samtidig er jeg også opptatt av at det regelverket som er der, og som åpner for muligheten til å kunne ha forskjellig skattemessig bosted, praktiseres på en måte som anses som rimelig og oppfattes som av dem som blir berørt av de åpninger som regelverket gir. Det blir replikkordskifte. Tillit er særdeles viktig bidrag til samfunnsbygging. Uten tillit vil mange av bærebjelkene i samfunnet vårt forvitre. Det kan enkelt bl.a. nevnes hele vårt finansielle system, vårt forhold til myndighetene og ikke minst myndighetenes forhold til skattyteren, bl.a. i forbindelse med den årlige selvangivelsen. Så når jeg leser begrunnelsen for ikke å innføre muligheten til selv å kunne velge sitt bosted, som er en total mangel på den viktige tilliten til skattyteren, er det da slik at statsråden igjen viser større tillit til sitt system enn til de enkeltpersoner som benytter seg av en mulighet til å arbeide der arbeidskraften deres trengs, og ikke der kona bor? I det siste tilfellet er det slik at dersom en må ta arbeid utenfor hjemmet, f.eks. være pendler på ukebasis som mange stortingsrepresentanter er, er det regler for det i skattesystemet som gir muligheten for å ha det på den måten. Det som er mitt og flertallets hovedpoeng, er at med den betydningen som skattemessig bosted kommunenes inntekter, for forutsigbarhet rundt inntektene til kommunene, som er så viktig for våre felles tjenester, må vi ha objektive kriterier, og vi må ha de regler som vi har i dag. Men, som jeg også sa i innlegget mitt, er det viktig at de unntak som regelverket åpner for, praktiseres på en slik måte at folk føler at det er rimelig.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

På vegne av finanskomiteen har jeg gleden av å legge fram en – ikke overraskende – delt innstilling mellom regjeringspartiene på den ene siden og Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre på den andre siden. Saken har sitt utgangspunkt i et firma som i likhet med andre firmaer har satset på alternative drivstoff, som skal bidra til å løse miljøproblemer. I dette tilfellet er det kanskje et drivstoff som kunne løse noe av den astmaproblematikken, den NOx-problematikken som en ser fra tradisjonelle dieselbiler, og som storbyer som Bergen og Oslo er plaget av, særlig vinterstid. Det er da noe så enkelt som GTL-diesel. GTL er en forkortelse for Gas to Liquids, som i praksis er så enkelt som at det er flytende gass som omgjøres til diesel, som en vanlig dieselbil kan fylle på en ordinær måte. For andre gassbaserte drivstoff vet en jo at en må ha spesialbygd motor – ombygd bil – og dermed blir det helt andre kostnader. Bakgrunnen er altså at Toll- og avgiftsdirektoratet har klassifisert drivstoffet på en måte som forslagsstillerne mener er feil. Konsekvensen er at prisen på drivstoffet ikke er konkurransedyktig, og dermed vil det ikke være et alternativ på det norske markedet lenger. Det har vært en utfordring med saken for sakens ordfører, og sikkert også for komiteen og departementet, fordi det er en sak som nå havner i rettsapparatet. Da skal også komiteen være forsiktig med å uttale seg og skrive noe om sakens natur, og dermed har jeg som saksordfører prøvd å forholde meg til drivstoff som type, ikke firmaet som selger det. Det synes jeg vi har klart på en forbilledlig måte. Jeg går nå over til å argumentere for Jeg registrerer at andre partier også vil tale for sitt syn. Jeg mener at dette er en dårlig politisk håndtert sak, særlig av Arbeiderpartiet. Da denne saken ble kjent i sommer, gikk Arbeiderpartiets medlem i energi- og miljøkomiteen, Torstein Rudihagen, ut og sa at dette strider mot avgiftsprinsippene. Det er alle fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre enig i. Det er ikke sånn at alle typer drivstoff i dag har en veibruksavgift – elbiler har det ikke, etanol har det ikke, vanlig gass har det heller ikke. Men for denne typen har altså direktoratet innført en avgift. For oss i Høyre handler dette også litt om rammebetingelsene. Skal man små firmaer, som skal satse på alternativt drivstoff for å utvikle lokale arbeidsplasser, gjerne universitetsmiljøer, produksjonsmiljøer, betyr det at man slipper avgifter i en startfase. Det har vært gunstig. Dermed har regjeringen og Stortinget premiert dette. Det ble en foreløpig dramatisk stopp med det i biodrivstoffsaken. Regjeringen skriver til komiteen at man vil ha en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene, også av veibruksavgiften, at alle skal betale veibruksavgift på sikt innen 2020. Utgangspunktet for forslagsstillerne og de andre opposisjonspartiene har da vært at denne type drivstoff burde få unntak fra veibruksavgiften så lenge regjeringen holder på med den helhetlige vurderingen. Hvis ikke blir det, som Arbeiderpartiets medlem i energi- og miljøkomiteen, Torstein Rudihagen, sier, ikke i tråd med den helhetlige vurderingen. Hvis ikke blir det, som Arbeiderpartiets medlem i energi- og miljøkomiteen, Torstein Rudihagen, sier, ikke i tråd med slik som en ønsker det. Jeg skjønner også at det kanskje har vært et problem innad i Arbeiderpartiet. Derfor mener jeg at denne saken kunne ha vært løst på en annen måte. Det kan hende at saken kunne ha vært løst bedre hvis det ikke hadde blitt en rettssak av den. Det kan hende det hadde vært justert på en annen måte, men jeg føler at Finansdepartementet har stått litt for for fast sammen med Avgiftsdirektoratet. Jeg vil takke komiteen for et rimelig greit samarbeid, selv vi ikke har oppnådd enighet heller i denne saken. Jeg benytter anledningen til å ta opp det forslaget som Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre står bak. Representanten Arve Kambe har tatt opp det forslaget han refererte til.

Samtidig vet vi at det til tider er uenighet mellom toll- og avgiftsmyndighetene og andre om produkter som skal falle inn under definisjoner som da skal tilsi avgift. I forbindelse med denne saken er det en slik uenighet mellom EcoFuel som leverer GTL-drivstoffet og toll- og avgiftsmyndighetene. Saken skal, som sagt av saksordføreren, nå Det er gitt avgiftsmyndighetene å definere hvilke produkter som skal avgiftsbelegges, ut fra regelverket. Når denne saken nå skal prøves for retten, faller det unaturlig for oss å gjøre vedtak i en enkeltsak. Dette har vi også redegjort for i komitéinnstillingen. Men jeg vil gjerne legge til at det er unaturlig for oss å drive enkeltsaksbehandling uavhengig av om saken skal og på den måten anmode regjeringen om å legge en bestemt regelforståelse til grunn. I prosessen med behandlingen av denne saken har det tross alt vært god korrespondanse mellom flere partier på Stortinget og regjeringen. Dersom vi åpner for unntak for mineraloljeavgift i enkeltsaker, ville vi stadig bli utfordret på: Hvor går Allerede i dag ser vi at vi utfordres på både definisjoner på hvilke drivstoff som skal omfattes av dagens regelverk, og grenseoppganger hva gjelder når et drivstoff er så rent at det bør unntas eller inngå i dagens regelverk. Således vil vi stadig utfordres på om dagens regelverk skal endres for å tilpasses nye drivstofftyper. Det er bare noen få måneder siden, altså under behandlingen av statsbudsjettet for 2012, Stortinget signaliserte at vi ønsker færre og ikke flere unntak fra avgift, slik at vi innen 2020 kan ha en veibruksavgift for alle drivstoff etter energiinnholdet. Dette ønsker vi fordi vi vil synliggjøre at det er kostnader knyttet til kjøring på vei – i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. Disse kostnadene må selvsagt dekkes. De som påfører kostnadene, må være med på å dekke dem. Det er likevel slik at avgiftssystemet vårt ikke er perfekt. Til det varierer veibruksavgiftene for mye. Derfor er det både viktig og riktig at vi innen 2020 innfører en veibruksavgift for alle drivstofftyper. Derfor blir det

GTL er et miljødrivstoff som er laget av ren naturgass. Dette miljødrivstoffet kan gi vesentlig lavere utslipp av både NOx, partikler, karbondioksid og karbonmonoksid. Naturgassen som GTL er laget av, er også et miljødrivstoff. Det er derfor ikke såkalt mineraloljeavgift på naturgass – eller andre såkalte veibruksavgifter, for den saks skyld. For bilistene er det imidlertid en stor ulempe med naturgass, og det er at bilene må bygges om. Det geniale med GTL er at naturgassen har blitt omformet, sånn at den er flytende ved vanlig atmosfærisk trykk. Det betyr at man kan bruke GTL i helt vanlige dieselbiler. GTL er altså en smart måte å få vanlige bilister til å bruke naturgass på – uten at man må bygge om bilene. Siden naturgass er fritatt fra veibruksavgift, skulle man kanskje tro at GTL, som er laget av 100 pst. ren naturgass, også er fritatt for veibruksavgift, som f.eks. mineraloljeavgift. GTL er tross alt kjemisk fritt for mineralolje, noe Tolldirektoratets eget laboratorium har bekreftet. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet liker imidlertid uforståelige og kronglete regler som rammer folk flest, og går derfor inn for mineraloljeavgift på et drivstoff som verken er mineralsk eller er laget av olje. I finansministerens svar på representantforslaget finner vi følgende underlige begrunnelse for avgiften på GTL: «At et produkt er fremstilt av som ikke er avgiftspliktige, betyr derfor ikke at også sluttproduktet er det.» At det også er mulig å lage syntetisk diesel av kull, er i denne sammenheng et usedvanlig dårlig argument. Det er vel ingen som har hevdet at kull er et miljøvennlig drivstoff for den norske bilparken. Jeg har merket meg at regjeringspartienes medlemmer av finanskomiteen i innstillingen argumenterer for at det bør være en generell veibruksavgift på alle drivstoff, inkludert de drivstoffene som i dag er fritatt. Dette viser med all tydelighet at regjeringspartiene ikke tar lokal forurensning i byene på alvor, men at målet tvert imot er at staten skal få mest mulig penger. Jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet hadde litt mer empati med alle dem som får astma- og luftveisplager av regjeringens politikk, der alt handler om CO2 og om mest mulig penger til statskassen, og der lokal forurensning og folks helse åpenbart er av underordnet betydning. Selverklærte miljøpartier som SV har overhodet ingenting å skryte av når det gjelder miljøvennlig transport. Hvis Fremskrittspartiet hadde fått gjennomslag for sin politikk, hadde folk flest hatt nyere og mer miljøvennlige biler, og miljødrivstoff hadde vært mye rimeligere enn i dag. I tillegg hadde vi hatt miljøvennlige og trafikksikre veier i hele landet, der folk kunne ha kjørt med jevn hastighet og med tilsvarende lavt forbruk. Vi husker også hva regjeringspartiene gjorde for å sabotere biodiesel i Norge. Å frita GTL fra mineraloljeavgift er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å begrense lokal forurensning i Norge. Jeg oppfordrer alle som tar astma- og luftveisplager på alvor, til å stemme for forslaget.

Danmark. Som flere har vært inne på: Det som er det sentrale her, er kilden for karbonet eller kilden for energien. Er kilden fornybar, eller er kilden ikke-fornybar? Kilden for denne dieselen er ikke-fornybar. Dersom vi skulle gi fritak fra veibruksavgift for denne ikke-fornybare energikilden,

Det som er interessant i denne saken, er at Venstre og Kristelig Folkeparti er med på denne utglidinga, og ikke klarer å skille tydelig mellom fornybar energi og ikke-fornybar energi. Som regjeringspartiene skriver, er det viktig at vi ikke glir ut på dette punktet, men holder fast ved det klare skillet mellom fornybart karbon og ikke-fornybart karbon. Det er der hovedskillet går når det gjelder den type drivstoff. Først har jeg lyst til å si til saksordføreren at han hadde et balansert og forstandig innlegg – for å si det på den måten – i den forstand at en her sier at selve enkeltsaken er det viktig å holde utenfor diskusjonen, men at en selvsagt inviterer til en diskusjon om de mer prinsipielle tingene knyttet til avgiftsbelegging av dette drivstoffet. I forbindelse med statsbudsjettet for i år la regjeringen til rette for en bred drøfting av bil- og drivstoffavgifter. Det var et viktig grunnlag for en drøfting av bil- og drivstoffavgifter. Det var et viktig grunnlag for en god debatt, som vi fikk i Stortinget om disse spørsmålene. Noe av poenget med den diskusjonen var at en skulle ha en langsiktig tilnærming, en tilnærming som skulle gi et forutsigbart opplegg på avgiftssiden noe lenger fram i tid. Det som er timeplanen, for å si det, er at en i 2015 skal evaluere utviklingen, slik at en fra og med 2020 skal basere seg på å innføre en generell vegbruksavgift basert på energiinnholdet i drivstoffet. Det mener jeg er en veldig fornuftig tilnærming, for det er ingen grunn til å legge skjul på at dette er vanskelige debatter, og at det har vært mange diskusjoner om avgift på drivstoff den siste tiden som kanskje har bidratt til at forutsigbarheten er noe mindre enn det den burde være. Unntak fra avgiften i dag skal stå seg i denne perioden. Da er det også viktig at en ikke innfører nye unntak, slik som mindretallet her vil legge til rette for. Jeg synes at vi bør holde oss til den vegen som et bredt flertall i Stortinget har valgt for tilnærming når det gjelder drivstoffavgifter, herunder vegbruksavgiften. Så bare til slutt: Det er Toll- og avgiftsdirektoratet som forvalter regelverket. De har kommet til at dette er en type drivstoff som det skal legges avgift på.

Betyr det at finansministeren mener at det utgjør så liten lokal forurensning å fortsette å gjøre som vi gjør i dag, at man ikke behøver å redusere utslipp og lokal forurensning? Da burde man vel ikke ha denne miljøfartsgrensen? Hvorfor er det slik at regjeringspartiene sier det stikk motsatte i to saker som er behandlet på under tre måneder?

som kjøring på veg medfører i form av ulykker, kø, støy, vegslitasje, helse- og miljøskadelige utslipp. Så det er mer enn akkurat det som representanten Hoksrud nå tar opp. For øvrig er det slik at denne regjeringen har gitt kommunene større mulighet for å innrette trafikken i store byområder mer fleksibelt. Det er opp til kommunene gjennom ulike former for tiltak å innrette trafikken slik at det blir mindre forurensing f.eks. på særdeles kalde dager, der bl.a. partikkelstøv er en vesentlig

mener at dette ikke er et nytt unntak, men allerede er definert innenfor det som er. Det er ikke sånn at det hvert år kommer en ny drivstofftype, og at det er mange enkeltsaker. Det er ikke noen dagligdags hendelse i Toll- og avgiftsdirektoratet at Norge får en ny drivstofftype. Rudihagen sier til NRK Dagsrevyen i juni: juni: «Vedtaket er fattet i strid med de rødgrønnes hensikt Han krever at finansminister Sigbjørn Johnsen griper inn. Dette blir i alle fall i strid med intensjonene i avgiftssystemet vårt», fastslår stortingsrepresentant Torstein Rudihagen overfor NRK. Nå har jeg egentlig ikke noe imot replikker. Jeg synes det er ganske all right og en fin form for debatt å kunne ha det. Det som er mitt poeng når jeg henviser til den diskusjonen som en hadde i forbindelse med statsbudsjettet, var at det ville være – etter mitt syn i hvert fall – ulogisk å inkludere nye unntak i den sammenhengen, men ville la de unntakene som er der allerede i dag, stå fram til evalueringen og videre fram til det som skal skje innen 2020. Det var i grunnen det som var mitt poeng i innlegget. Jeg registrerte at finansministeren viste til alle de andre tiltakene man kunne gjennomføre for å redusere utslipp. Men er det ikke sånn at det viktigste handler om å redusere lokale utslipp for folk som har astma- og allergiproblemer? Eller er det sånn at det er inntektene som er det eneste viktige for finansministeren? Ved å si ja til å ta bort – det handler bare om å ta bort – mineraloljeavgiften kunne man i løpet av én uke sørget for å få i gang dette dette og få redusert utslipp og lokal forurensning betraktelig i de store byene. Det er et skrikende behov for det. Men det er altså slik at staten vil tape noen penger. Er det pengene finansministeren nå – tydeligvis – er redd for, mens miljøet kanskje ikke er så viktig? Jeg er faktisk opptatt av begge deler. Provenyet er viktig, ikke bare for finansministeren – jeg har registrert at det er mange partier, eller i hvert fall særlig ett parti i denne salen, som er opptatt av å bruke mye proveny på ulike gode formål, og det er en ærlig sak. Men som jeg sa, en vegbruksavgift skal jo ta hensyn til mer enn det som er knyttet opp mot lokale utslipp, og det er vel også slik at dersom syntetisk diesel skulle redusere de

NOx, opptil 40 pst. reduksjon på partikkelforurensning, 40–60 pst. reduksjon på hydrokarboner og 80 pst. reduksjon på karbonmonoksid. Det er ganske heftige tall, og denne drivstofftypen betaler man i tillegg CO2 -avgift på. Så det er jo ikke sånn at man har drivstoff som man ønsker å unnta for de avgiftene som er, men vanlig naturgass slipper veibruksavgiften. så greit som vanlig naturgass, som finansministeren og jeg er enige om skal slippe veibruksavgift, i hvert fall foreløpig. Jeg tror at i den type debatter som vi har nå, skal en selvsagt ikke utelukke at et enkelttiltak bidrar til å redusere lokal forurensing, og overgang til f.eks. bruk av syntetisk diesel i stor skala vil antakeligvis bidra til det. Men det er noe som ligger lenger fram, for det vil kreve ganske betydelige investeringer for å kunne få det til. Men samtidig, som jeg også viste til i mitt svar til representanten Hoksrud, har regjeringen gitt muligheter for lokale politikere til å håndtere lokale forurensninger på en bedre måte gjennom f.eks. å kunne ha

at når det kommer til konflikt mellom miljøhensyn på den ene siden – og dette er ordentlige miljøhensyn, ærede sal, for dette er ting som påviselig er kreftfremkallende, har konsekvenser for astmatikere og faktisk koster menneskeliv – og avgifter og inntekter til staten på den og inntekter til staten på den andre siden, er det inntektene til staten som vinner. Det får vi demonstrert gang etter gang. Dette hadde vært en veldig enkel sak å gjøre noe med dersom man ønsket, og kostnadseffektiviteten, som finansministeren stiller spørsmål ved, er helt åpenbar, for man kan benytte allerede eksisterende folk for øvrig har kjøpt og tatt i bruk mye på oppfordring fra regjeringen gjennom den politikken den har hatt i forhold til dieselbiler, som har skapt mye av det miljøproblemet vi ser i storbyene, og ikke bare i Oslo og Bergen. Også i Stavanger og til og med i Tromsø er dette blitt en utfordring. Da kunne man altså løse det ved å putte et annet drivstoff på tanken, som helt riktig er GTL, som er basert på naturgass, og på ingen måte verken er eller olje – dette er ingen mineralolje. I den debatten som har foregått i mange sammenhenger, også i denne sal, som har handlet om mangel på realfag og realfagfolk, begynner jeg nesten å etterlyse det samme – og helt tydelige – behovet i Finansdepartementet og i Toll- og avgiftsdirektoratet. Her legger man altså en avgift på en ting som beviselig ikke henger sammen med verken navn eller intensjoner på den avgiften man bruker. Effekten av det er at miljøet taper, og storbyene må under vanskelige vinterforhold, når det er kaldt, pålegge kjøreforbud og kjørebegrensninger. Det har en kostnad, økonomisk kostnad også, for næringsliv og for samfunn. Men den største kostnaden går på menneskeliv og helse, og det er en realitet. NOx og særlig nitrogendioksid er en farlig gass, som fremkaller kreft, som settes i forbindelse med det, og også med astma og allergi, plager som mange men som man dessverre ikke er villig til å gjøre noe med ved å bruke noe så enkelt som avgiftsregimet for å gjøre et rasjonelt og fornuftig drivstoff tilgjengelig til en fornuftig pris, og dermed også løse miljøproblemene i byene. Så registrerer jeg at i denne debatten blander man inn veldig mange rare ting. Jeg merker meg at representanten Lundteigen her fra denne talerstolen

kostnadseffektivt og ikke minst helse- og miljømessig hadde dette gått hånd i hanske, men nok en gang viser regjeringen sitt sanne jeg, og hensynet til statens inntekter går foran miljøet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 19.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

og kjøpekraften går ned i ett av våre viktige områder for fiskerieksport. Derfor er det viktig at vi nå kan få på plass en garantiordning som gir Fiskeri- og kystdepartementet fullmakt til å kunne reetablere den tidligere garantiordningen for driftskreditt mellom Innovasjon Norge og Norges Råfisklag på 320 mill. kr, hvorav 240 mill. kr er statens andel. Det er en ordning som vil kunne vare ut året, og som vil kunne benyttes i den situasjonen som er, med et turbulent marked. Dette er en viktig sak for å sikre omsetning av norsk fisk og ikke minst sørge for at fiskerne får levert den fangsten som de tar opp av havet. Jeg vil selvfølgelig derfor anbefale Stortinget å gå inn for den enstemmige innstillingen fra næringskomiteen.